fungerer finansieringsordningene godt nok på dette området? Komitébehandlingen viser at det er bred enighet om intensjonene i de forslagene som er tatt opp. Men flertallet mener at denne saken, som berører så viktige deler av helsetjenesten, bør behandles i en bredere sammenheng. En av de sammenhengene er sammenhengen med Samhandlingsreformen. Den har komiteen til behandling nå. nå. Det gjelder bl.a. utbyggingen av plasser innenfor palliativ behandling i kommunene og kommunenes ansvar på dette området framover, som skal oppgraderes. Det er i forslaget pekt på behov for 600 nye plasser i kommunene. Vi er helt enige i intensjonene, men det er viktig å se dette i en bredere sammenheng, spesielt i sammenheng med Samhandlingsreformen. Saken hører også hjemme i behandlingen av Nasjonal helseplan, som kommer i kjølvannet av Samhandlingsreformen. Da ser jeg for meg at vi ikke minst bør se nærmere på finansieringsordningen for spesialisthelsetjenesten, slik det er tatt opp i forslagets punkt 3. Ordningen med innsatsstyrt finansiering, som forslagsstilleren peker på, fanger ikke opp denne typen behandling. Nå må jeg bare understreke at det i 2003 er tatt inn en ordning med at man skal ha palliativ behandling innenfor DRG-behandlingen. Men dette eksemplet mener jeg viser at ISF ikke fungerer godt nok, sammen med mange andre områder innenfor behandlings- og diagnosegrupper. Derfor mener jeg at finansieringsordningen må ses spesielt på. Men også der er det viktig at man ikke bare tar en og en behandlingsform eller en og en diagnosegruppe, men at når vi går inn i ISF-ordningen, må vi se den i en bredere sammenheng. Derfor vil jeg kort bare avslutte med å si at jeg er helt enig i intensjonene i de forslagene som er tatt opp – det er positivt og fint at det blir tatt opp – men forslagene fortjener en bredere og grundigere behandling i en helhetlig

I dag blir nær halvparten av helsebudsjetta brukt i løpet av dei tre siste månadene vi lever, så også samfunnsøkonomisk er det gunstig å behandla pasientar i livets siste fase i kommunehelsetenesta i staden for på sjukehus. Omsorg ved livets slutt handlar ikkje så mykje om spesialisert og avansert behandling, det handlar om profesjonalitet, respekt, menneskeverd, å sjå og bli sett, å skapa tillit og gi For å få det til må kommunehelsetenesta styrkjast både kapasitetsmessig og kvalitetsmessig. Pårørande som ønskjer det, må få høve til å yta omsorg til sine nærmaste i livets siste fase. Fastlegane må inkluderast meir i oppfølginga av alvorleg sjuke pasientar. Samarbeidet med helse- og omsorgstenesta og spesialisthelsetenesta må styrkjast. Palliative team kan vera eit godt supplerande tiltak, òg for å styrkja kompetansen. Senterpartiet er einig med Kristeleg Folkeparti i at vi har behov for ei auka satsing på palliativ behandling og omsorg ved livets slutt. Dei siste 10–15 åra har det vore ei kontinuerleg satsing på å forbetra helsetilbodet til alvorleg sjuke og døyande i Noreg. Nasjonal kreftplan, Livshjelpsutredningen og fleire andre offentlege utgreiingar har lagt grunnlaget for ei trinnvis utvikling av det palliative tilbodet på alle nivå i Men trass i satsinga er behovet for helsehjelp i sluttfasen av alvorleg og dødeleg sjukdom aukande. Spesialavdelingar vil trass i auka satsing ikkje kunna nå alle. Derfor er det viktig at palliative einingar og palliative team må vareta kompetansearbeidet og stå for kompetanseoverføring til andre avdelingar og miljø. Spesielt trengst det kompetanseoverføring til dei som arbeider med alvorleg sjuke og døyande pasientar i I høyringsfråsegna frå Den norske legeforening står det at stykkprisfinansiering, slik ho blir praktisert ved sjukehus i dag, passar dårleg for alvorleg sjuke pasientar. Når innsatsstyrt finansiering blir brukt som eit inntektssystem heilt ned på avdelingsnivå, opplever den enkelte avdelinga at dei får same økonomiske kompensasjon same kor lenge opphaldet varar. Ei finansieringsordning som premierer kort dødsleie, er Pasientar med langtkomen sjukdom kan ha sjukdomsperiodar med svært komplekse utfordringar, der langvarige sjukehusopphald er nødvendige. Senterpartiet ser derfor fram til ein gjennomgang av finansieringssystemet frå Regjeringa si side og er positivt til forslaget om å gå vekk frå ISF og over til fullfinansiering av det palliative tilbodet gjennom Finansieringa av palliative sjukeheimssenger, palliative team og palliative tilbod frå fastlegane har òg behov for ein gjennomgang. Eg forventar at dette blir vurdert i lys av Samhandlingsreforma og den komande satsinga på kommunehelsetenesta. Omsorgsplan 2015 inneheld fleire tiltak for å styrkja tenestetilbodet til brukarar av omsorgstenester, inkludert menneske i livets siste fase. I Regjeringa sin kompetanse- og rekrutteringsplan, Kompetanseløftet 2015, er eit viktig fagområde. Regjeringas nye lovendringar vil gjera det lettare å yta omsorg for nære pårørande. Eg vil visa til at det blir innført ein ny rett til ti dagars permisjon for arbeidstakarar for å gi nødvendig omsorg til foreldre og ektefelle/sambuar. Det blir òg innført utvida rett til permisjon og pleiepengar ved pleie av nære pårørande i livets sluttfase, frå 20 til 60 dagar. dagar. Undervisningssjukeheimar og undervisningsheimetenester er andre tiltak som skal bidra til auka kvalitet i omsorgstenesta, ved å fokusera på forsking, fagutvikling og kompetanseheving i tenesta. Dette blir viktige tiltak i arbeidet for å sikra den palliative kompetansen i kommunehelsetenesta generelt, og ved sjukeheimar spesielt.

skremmende og fremmed. Samtidig har vi fått en kultur for at alt skal kureres. Vi ønsker å behandle oss ut av sykdom, smerte og lidelse. Vi har i de senere år sett at disse to tendensene til sammen har ført til et ønske fra noen om aktiv dødshjelp. Den beste måten å demme opp for dette kravet på er å satse på livshjelp. Sentralt i dette begrepet ligger muligheten for å oppleve livet som meningsfylt og verdifullt, til tross for begrenset levetid. Mange opplever å være til byrde når kroppen ikke klarer det den klarte før, og den mentale tilstanden er svekket. Håpløshet kan ta overhånd, og mange kan ønske hjelp til å avslutte livet. Livshjelp er å lytte til det ønsket, men samtidig være nær den døende og i stedet for å etterkomme ønsket satse på så god behandling, pleie og omsorg som mulig. Det er alltid noe vi kan gjøre, som representanten Sjøli sa tidligere i dag. Mange mennesker får ikke det tilbudet om livshjelp som de burde ha fått. I dag er det primært kreftpasienter som får dette tilbudet. Vi vet at mange eldre dør uten dette tilbudet. I årene fremover vil vi i tillegg få en stor økning i antall eldre. Det samme er tilfellet når det gjelder barn. Jeg vil i denne sammenheng særlig vise til organisasjonen JA til lindrende enhet og omsorg for barn, som har fokusert på behovet for palliativ behandling for barn. Jeg håper at også statsråden har merket seg det arbeidet som denne nye organisasjonen gjør. Vi må sikre flere mennesker tilbud om lindrende behandling og omsorg. Kristelig Folkeparti mener derfor at det er behov for en plan for satsing på livshjelp i årene fremover. En slik plan bør ha fire hovedpilarer: bedre kapasitet for lindrende behandling på sykehusene bedre kapasitet for lindrende behandling i kommunene omlegging av dagens tilbud om lindrende behandling til ambulant virksomhet, da særlig med tanke på at dette kan skje hjemme hos den døende kompetanseheving av helsepersonell For det første er det i dag for få senger på sykehus for lindrende behandling. Med enkle grep kan dette antallet trappes opp i årene som kommer, gjennom bruk av øremerkede i større grad å satse på øremerking kan dagens ordning med innsatsstyrt finansiering for lindrende behandling opphøre. Stykkprisfinansiering får uønskede vridningseffekter, og det er særlig uheldig og uverdig i behandling av døende. For det andre er det en ønsket utvikling at det er mulig å dø hjemme eller i nærheten av hjemmet. Det er behov for 600 plasser for lindrende behandling i kommunene. Igjen kan et slikt mål nås med konkrete måltall for årene fremover. For det tredje vil døden igjen kunne bli en større del av livet dersom flere dør hjemme. Gjennom satsing på ambulante team, enten i kommunal regi eller i samarbeid med sykehusene, kan det bli mulig. Mange ville ønske det. For det fjerde er det behov for å øke kunnskapen om lindrende behandling hos dem som jobber på lindrende enheter og avdelinger, men Døende mennesker møter helsepersonell mange steder i helsetjenestene, og disse bør ha mer kunnskap om behandling, omsorg og pleie av døende enn det de har i dag. Jeg har lyttet sterkt til de innleggene som har vært holdt, ikke minst av representanter for regjeringspartiene. Det er veldig godt å høre at vi langt på vei er enige om de aller fleste av de tiltakene som foreligger. Men det forundrer meg at man ikke kan gå inn for disse forslagene, når man altså sier at man er så enig i det som foreligger. Det skjønner jeg ikke. Jeg vil til sist fremme Kristelig Folkepartis forslag i innstillingen. Representanten Laila Dåvøy har tatt opp det forslaget hun refererte til. Å få møte døden i trygge omgivelser er

Jeg vil følge opp tilbudet til denne pasientgruppen, bl.a. gjennom mitt arbeid med Omsorgsplan 2015 og gjennom oppfølgingen av Samhandlingsreformen. Tilbudet og ressurssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene står helt sentralt i arbeidet med å få til god lindrende behandling i livets sluttfase. Regjeringen har gjennom Omsorgsplan 2015 valgt å satse på utbygging av ved livets slutt. Investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger gjør det samtidig mulig å bygge heldøgns omsorgsplasser, herunder palliative enheter. Den kommunale helse- og omsorgssektoren er styrket med om lag 12 500 årsverk i perioden 2004–2008. Dette kommer alle brukergruppene i kommunene til gode. I all hovedsak har personelløkningen kommet i form av helse- og sosialpersonell med fagutdanning, og har dermed bidratt til å heve kompetansen i sektoren. Regjeringen har også fått på plass et eget investeringstilskudd som legger grunnlaget for 12 000 nye omsorgsplasser med heldøgns omsorgstjeneste i sykehjem og omsorgboliger. Vi vil følge tilskuddsordningene nøye og løpende vurdere rammen for ordningen og innfasingen av denne. I retningslinjene for Husbankens tilskuddsordning har vi gjort det klart at også palliative enheter skal få støtte. Med det vil vi oppfordre kommunene til å bygge ut og utvikle den palliative omsorgen der dette er en del av de ordinære kommunale oppgavene. Det er også en egen tilskuddsordning for særskilte utviklingstiltak, herunder tiltak for å styrke kompetansen og kapasiteten innenfor lindrende behandling og omsorg for livets slutt, utenfor sykehus. Det er gjennomført flere kompetansehevende tiltak i kommunene. Sentralt er også de regionale ressurs- og kompetansesentrene for palliasjon i regi av helseforetakene. Pasienter som mottar lindrende behandling, beveger seg ofte mellom sykehus og sykehjem og/eller hjemmet. For å gjøre denne overgangen mer sømløs er det viktig med et godt samarbeid mellom de tverrfaglige palliative teamene i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samhandlingen mellom disse enhetene, undervisningssykehjemmene, undervisningshjemmetjenestene og kommunene er grunnleggende for god lindrende behandling og god behandling ved livets slutt. Jeg er også opptatt av at tilbudet om lindrende behandling bør bygges opp videre som en del av den ordinære helsetjenesten. Det er sentralt i Samhandlingsreformen at flere oppgaver i helsetjenesten skal løses lokalt. Flere av dem som i dag behandles i sykehus, vil kunne få et bedre tilbud i kommunen. Med reformen skal vi styrke kommunehelsetjenesten organisatorisk, kompetansemessig og ressursmessig – også for denne pasientgruppen. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt som en integrert del av det helhetlige kommunale ansvaret gir trygghet og forutsigbarhet for brukerne og for pårørende. I de aller fleste helseforetaksområdene er det etablert nettverk av sykepleiere med spesialkompetanse i kreftomsorg og lindrende behandling. Helsedirektoratet har gitt ut Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen i 2007 som en oppfølging av nasjonal kreftstrategi 2006–2009. Retningslinjene er utarbeidet for kreftpasienter, men de generelle rådene gjelder også for pasienter med andre diagnoser. diagnoser. Retningslinjene gjelder både for spesialisthelsetjenesten og for primærhelsetjenesten, og som jeg også har sagt tidligere i år og svart på spørsmål, gjelder dette selvfølgelig også for barn. Jeg har bedt direktoratet gjennomgå disse retningslinjene med bakgrunn i det foreliggende forslaget og vurdere utdypinger. En ny nasjonal helse- og omsorgsplan og en ny kommunal helse- og omsorgslov vil samtidig styrke samhandlingen og tilbudet til alle brukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Jeg vil på den bakgrunn ikke støtte en særskilt plan for livshjelp, da de tiltak som skisseres i forslaget, skal ivaretas av de ordinære kommunale tilbudene og allerede iverksatte tiltak.
Da er den tilmålte taletid ute. Det blir replikkordskifte.
Jeg ventet spent på om statsråden ville ta den oppfordringen jeg kom med i mitt innlegg om å se på dette med finansieringsordningen som vi foreslår i forslag nr. 4, én gang til, men hun kom kanskje aldri så langt i manuset sitt. Det er tverrpolitisk enighet i komiteen om at dagens ordning med 40 pst. innsatsstyrt finansiering og 60 pst. basisfinansiering fører til at man tærer på basisbevilgningene når dødsleiet trekker ut. Derfor mener alle partiene at det er behov for å se på disse ordningene. I forslag nr. 4 foreslår vi også å fjerne det som i dag hindrer spesialisthelsetjenesten i å samarbeide godt nok med kommunehelsetjenesten. Mener statsråden at forslaget ikke er godt nok, eller hva er det som er årsaken til at regjeringspartiene ikke kan gå inn for forslag nr. 4? Som det også ble sagt i et av innleggene, er det gjort forbedringer i finansieringen når det gjelder den innsatsstyrte finansieringen av denne type omsorg. men vi skal alltid se om vi kan bli mer målrettet, slik at vi treffer bedre. Jeg har også lyst til å understreke at en stor del av denne finansieringen går til spesialisthelsetjenesten, som yter og skal yte

og også til oppfølgingen av samhandlingsmeldingen som vi har til behandling i Stortinget i disse dager. I forbindelse med oppfølgingen av Omsorgsplan 2015 har dagens regjering også laget en slags, skal vi kalle det, delplan for demente. Den planen er veldig god. Hvorfor ikke også lage en delplan, eller en plan for livshjelp, i forbindelse med oppfølgingen av omsorgsmeldingen og for den oppfølgingen av omsorgsmeldingen og for den del oppfølgingen av samhandlingsmeldingen? Synes ikke statsråden det er like viktig at man, som en oppfølging på dette området, hvor alle mener det virkelig bør gjøres et krafttak, også kunne laget en egen delplan? La meg først understreke at jeg er meget opptatt av at denne delen av omsorgstjenesten skal Hvis jeg mente at det å lage en plan var det virkemiddelet som skulle til, skulle jeg gjerne iverksatt det. Men da har jeg lyst til å understreke hva jeg sa, og hva jeg ikke fikk sagt, i innlegget mitt. Det er nettopp det at det er laget noen nasjonale, faglige retningslinjer for lindrende behandling. Disse kan man ta utgangspunkt i. Det er mange gode ting i det forslaget som behandles her nå. Derfor ønsker jeg at Helsedirektoratet skal se på det og lage bedre veiledere, som både kan gjelde for voksne og for barn, som jeg også la vekt på tidligere. Dette er et viktig tilbud, og det er viktig at alle har et godt rammeverk for hvordan dette skal skje.

Fremskrittspartiet har merket seg at det er flere fagfolk, med nestoren professor Peter Hjort i spissen, som har tatt til orde for at begrepet «livshjelp» kan være uheldig, uforståelig og faktisk misvisende når det gjelder behandling og omsorg for uhelbredelig syke og døende. De henviser til den engelske betegnelsen «care of the dying» – dødspleie framholder de som riktig begrep. Det kan være Det kan være vanskelig. Jeg har nettopp mistet min beste kamerat. Han var innstilt på at han kom til å dø. Å komme og si at den omsorgen som ble gitt ham, var livshjelp, har jeg – og det tror jeg han hadde hatt – litt problemer med å ha forståelse for. Når det er sagt, synes jeg det er greit å høre signaler fra statsråden om at man skal jobbe videre med denne saken. Jeg synes det hadde vært veldig fint dersom Stortinget hadde vedtatt disse punktene i dag. dag. Jeg fikk ikke noe tilfredsstillende svar når det gjaldt finansieringen. Det er nettopp fordi regjeringspartiene har redusert innsatsstyrt finansiering til 40 pst., at vi kommer i den uheldige situasjonen at man tærer på basisfinansieringen for hver eneste dag dødsleiet trekker ut. Det er det som er årsaken. Når man da peker på at rammefinansiering skal være den rette finansieringsmodellen, blir jeg enda mer skremt. Jeg har selv vært bestyrer på sykehjem og hatt ansvaret for alvorlig syke og døende. Jeg bygde opp en egen palliativ enhet. Vi hadde rammefinansiering. Det vi opplevde, var at vi faktisk ikke engang hadde penger til å sette inn ufaglærte fastvakter for mennesker som var i ferd med å dø. Den situasjonen vil ikke jeg at vi skal ha i større omfang. Jeg håper virkelig man kan se på et finansieringssystem som gjør at vi skal ha i større omfang. Jeg håper virkelig man kan se på et finansieringssystem som gjør at folk kan få en verdig livsavslutning, og at det ikke er pengene eller forvaltningsnivåene som skal være til hinder for det. I og

Når det gjelder selve forslagene, er jeg noe bekymret for at man ikke vil gå inn på noen av måltallene eller tiltakene. Jeg er glad for det statsråden sier om at hun i alle fall skal vurdere det i forhold til de retningslinjene man har allerede. Det er flott. Samtidig hører vi i dagens Norge at både Regjeringen og finansministeren har tatt til orde for store nedskjæringer. I dag leser vi i avisene om at politiet skal kutte stillinger. Innenfor helsevesenet kutter man på det ene området etter det andre for tiden. I barnevernet ser vi tilsvarende. Min bekymring er om noe av bakgrunnen kan ligge i at man ikke vet hvordan man skal klare å få midler til også å prioritere dette området. Jeg ser at statsråden skal ha ordet igjen, og kan tenke meg å få en bekreftelse på at så ikke kommer til å skje, og at dette er et viktig og prioritert område fremover. Så til finansieringen. Det Det komiteen også har hørt på sine reiser, og jeg i særdeleshet, som også har vært på flere palliative avdelinger rundt om på sykehusene, er at stykkprisfinansieringen passer veldig dårlig for en gruppe pasienter som kanskje har en gjennomsnittlig liggetid i sykehus på flere måneder, og noen sågar opptil to–tre måneder hvis man samlet sett ser på innleggelsene på denne typen avdeling i forhold til andre avdelinger.

tilskudd. I 2003 ble det faktisk av Bondevik-regjeringen opprettet en egen tilleggsrefusjon i DRG-systemet. Denne ordningen avløste en tidligere ordning med fordeling av øremerkede midler etter søknad. I 2006 ble det i samarbeid med fagmiljøet gjort en presisering av ISF-regelverket med tanke på innholdet i med tanke på innholdet i behandlingen for å kunne kode slik at det ble utbetalt tilleggsrefusjon. Så det er grunnen, for det er det behov for. I forbindelse med innlegget mitt har jeg også sagt at det er klart at man alltid går igjennom finansieringsordningene for å se om de er treffsikre nok. Men jeg har aldri møtt noe helsepersonell som ville la penger stå i veien for å yte sitt aller beste i livets siste fase, som det er snakk om her. Det har jeg faktisk ennå til gode. Det er enkelte ting man bare gjør én gang. Dette gjør man bare én gang. Jeg har den tillit til helsevesenet at dette ville være det aller, aller siste man ville kutte på. Det er ikke aktuell politikk å kutte på
Laila Dåvøy har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det er mulig at statsråden misforsto mitt forrige innlegg. Helsepersonell vil alltid gjøre det de kan for denne pasientgruppen. Det tror jeg vi er helt enige om. Mitt poeng var at hvis det er så dyrt for sykehusene, og kanskje også for kommunene, å drive palliative avdelinger, er jeg redd for at man ikke har den drivkraften som burde være der når det gjelder å sette av flere sengeplasser til døende mennesker. Det var det som var mitt poeng. Fra Kristelig Folkepartis side har vi også tidligere i forbindelse med omsorgsmeldingen foreslått at vi burde få både statlig drift og finansiering, altså stimuleringstilskudd, som vi nå har fått, slik at også kommunene på en bedre måte kan bygge opp dette tilbudet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra helse- og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

som gir tverrfaglig spesialisert behandling som sykehus og dermed omfattes av retten til fritt sykehusvalg. Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, står bak komiteens tilrådning, som er at saken skal vedlegges protokollen. Det er i tillegg fremmet ett forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti samt to forslag

økonomi. Det er hvilken retning og hvilke virkemidler man ønsker å benytte for å oppnå dette, som har bidratt til at det er delt syn i komiteen. Jeg vil som saksordfører herved også få takke alle medlemmene for en ryddig og konstruktiv prosess i komiteen i denne saken. Men til tross for det er altså ikke Fremskrittspartiet tilfreds med komiteens innstilling. innstilling. Jeg vil derfor bruke litt tid på å forklare akkurat dette. I dag behandler vi en sak som er full av teknikaliteter, en sak som er preget av ulike tolkninger av juss og lovmessige endringer. Men i denne saken bør Stortinget etter min mening løfte blikket og se hva det egentlig dreier seg om. Det dreier seg om enkeltmenneskers skjebne i det norske helsesystemet. helsesystemet. Vi må ikke som lovgivere lage et system for systemets skyld. Vi må lage et system som er til for enkeltmenneskets skyld. Da kan vi ikke tillate oss å grave oss ned i jussens skyttergraver og argumenter. Dette handler rett og slett om hvordan vi på best mulig måte kan gi våre innbyggere gode helsetjenester. Anoreksi Senter er et eksempel på en institusjon og et tilbud som definitivt burde vært innlemmet i en ordning med fritt sykehusvalg. Det finnes en rekke andre eksempler også. Argumentasjonen til regjeringspartiene de siste årene er ikke lenger relevant. Statsråden har selv sagt at det er mulig å få til dette innenfor dagens lovverk med de nødvendige utvidelser. Det er derfor grunn til å spørre hvorvidt det er andre hensyn som er den egentlige årsaken til at regjeringspartiene i dag stemmer ned dette forslaget. Kan det være en rød-grønn motstand mot bruken av private og ideelle aktører? Ja, det kan man i hvert fall av og til få inntrykk av. Jeg kjøper ikke venstresidens argumentasjon. La oss nå innse at det eksisterer tilbud i Norge, og at de tilbudene må komme flere til gode, spesielt innenfor områdene rus og psykiatri, men også når det gjelder andre former for diagnoser. Capio er et slikt tilbud. Det gjør inntrykk når man møter noen som omsider har fått hjelp etter å ha vært kasteball i mange år. Så opplever man at det som endelig virket, ikke lenger kan velges. Det må være Fremskrittspartiet vil sørge for at enkeltmenneskene blir satt i høysetet, ikke systemene. Offentlig, ideell eller privat – dette kan ikke være hovedutfordringen i helsevesenet. Det må, skal og bør være den enkelte pasients behov for ulike typer helsetjenester som avgjør hvilke tilbud man etablerer og finansierer. Capio Anoreksi Senter er et tilbud som må kunne benyttes uavhengig av hvilken helseregion eller kommune man måtte tilhøre. Jeg vil oppfordre alle Stortingets medlemmer til å se bort fra tidligere lovmessige argumenter. Jeg vil be om at Stortingets medlemmer ser bort fra ideologiske skillelinjer. Jeg vil be Stortinget om å vurdere følgende spørsmål: Hvordan kan vi sørge for at unge jenter og gutter som lider av spiseforstyrrelser, får best mulig hjelp? Dersom vi alle i denne sal vurderer dette spørsmålet før vi voterer i dag, vil forslagene fra Fremskrittspartiet og forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti få flertall. Politikk handler ikke om systemer og partipolitiske kjepphester. Det handler ikke om antall oppslag i mediene. Det handler ikke om spill og spetakkel. Det handler om enkeltmennesker. Derfor bør denne saken vedtas i ta opp de forslagene jeg har referert til i denne saken. Jeg varsler også at Fremskrittspartiet subsidiært vil støtte forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Representanten Per Arne Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Arbeiderpartiet er

I loven er det definert hva spesialisthelsetjeneste er, og hva slags krav som stilles for å få godkjenning som sykehus. Det mener vi er riktig. En uthuling av lovverket og lettelser på krav mener vi ikke er veien å gå for å få bedre tilbud. I siste periode behandlet vi et forslag som nesten var identisk, Dokument nr. 8:91 for 2008–2009, der ønsket var at Capio Anoreksi Senter skulle få status som sykehus for å kunne komme inn under fritt Denne gangen er forslaget enda mer utvidet og vil kunne omhandle enda flere institusjoner. Tverrfaglighet er viktig. Etter vår mening kan det også ivaretas slik det nå er. Helseforetakenes sørge for-ansvar skal ivareta pasientenes behov for oppfølging og et godt tilbud. De skal tilby der de ikke selv har kompetanse eller tilbud nok. Derfor er det ingen grunn til at er det ingen grunn til at tilbud som Capio kan gi, ikke skal brukes som et godt supplement til dem som trenger det. Statsråden har i sitt svarbrev til komiteen, som dessverre ikke er vedlagt innstillingen, heller ikke gått inn for endringer av spesialisthelsetjenesteloven, og viser til kravene til hva sykehus skal inneholde, og hva loven i dag sier.

med et godt supplement fra det private. Det finnes mange gode eksempler på dette samspillet. Vi bruker veldig mange. Det som er viktig for de private tilbyderne, er forutsigbarhet, noe vi forstår mangler i dag. Vi får stadig meldinger, både fra Capio Anoreksi Senter og andre, om at det ikke er lett å være tilbyder. Det er ikke godt å vite om en får kunder Tilbud som vi trenger, kan derfor stå i fare for å måtte legge ned. Sist vi hadde denne saken i Stortinget, stresset jeg her fra talerstolen at tilbudet som bl.a. er på Capio, burde brukes der det er viktig for den enkelte pasient, nettopp fordi dette er en sykdomsgruppe som trenger mangfold og ulike tilnærminger. Svaret vi da fikk fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen, var at det ikke er noen grunn til at tilbudet ikke ikke skal brukes, men at helseforetakene bygger opp egne tilbud. Det er grunnen til at de private tilbyderne brukes mindre. Når vi nå får signaler om at tilbudene ikke brukes fordi helseforetakene ikke kan ta anbud fra andre enn ideelle, må det bero på en misforståelse. Det er i hvert fall ikke den beskjeden vi har fått. Når helseforetakene sier at de har gode nok tilbud selv, så spør jeg: Har de selv, så spør jeg: Har de det? Hvordan skal vi løse dette til beste for pasientene? Hvem har rett? Jeg viser derfor til statsrådens svar, at det ikke er formelle hindringer i veien for at de regionale helseforetakene kan løse sine lovpålagte tjenester gjennom de private tjenesteyterne der de ser at det er grunn til det. Jeg oppfordrer statsråden nok en gang til å se på om denne intensjonen ivaretas og oppfylles, slik at de gode tilbudene som er bygd opp, ikke legges ned på grunn av at vi skal kjøre helseforetakenes egne regler. De mener selv at de har gode tilbud, men vi får stadig tilbakemeldinger om at tilbudene ikke er gode nok. Vi foreslår at representantforslaget vedlegges protokollen. Vi vil love at vi vil følge med, selv om vi ikke ønsker å endre loven, for å se hva som skjer med kjøp av tjenester fra Capio og andre tilbud for grupper som trenger mangfold og muligheter. Men vi vil fremdeles ha en spesialisthelsetjenestelov som regulerer sykehusene.

pasienter som lider av spiseforstyrrelser, ikke får god nok hjelp i den offentlige helsetjenesten. Det er lange ventelister for behandling flere steder. De pasientene som har behov for døgnbehandling for sine spiseforstyrrelser, er alvorlig syke, og det er uholdbart at de må vente i uker og måneder på hjelp. Vi har fått flere henvendelser fra fortvilte mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende. De forteller om alvorlige helseproblemer og mangelfull Flere har påpekt at de har fått svært god hjelp ved Capio Anoreksi Senter, et tilbud mange har måttet bekoste selv. Til tross for at Capio har et faglig anerkjent tilbud som pasientene er fornøyd med, opplever mange at de ikke får benyttet tilbudet for det offentliges regning. Høyre ønsker derfor å endre loven for å sikre at gode tverrfaglige helseinstitusjoner som tilfredsstiller faglige krav for å være en del av spesialisthelsetjenesten, også kan godkjennes som sykehus, selv om de ikke har en klar somatisk tilnærming, er et tilbud til rusmiddelavhengige eller et distriktspsykiatrisk senter. Vi mener det vil sikre et bedre tilbud tilpasset den enkelte pasient, spesielt pasientgrupper som i dag har et mangelfullt tilbud. Vi mener det er uakseptabelt at byråkratiske barrierer forhindrer pasientene i å benytte et tilbud som kan gi dem rask hjelp. Det fremgår av Soria Moria-erklæringen og oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene at bruken av private, kommersielle tilbud skal begrenses. Begrunnelsen ser ut til å være et rent ideologisk forsvar for det offentlige tjenestemonopolet. Når vi nå registrerer en viss imøtekommenhet fra regjeringspartiene i denne saken,

Høyre mener de private tilbudene bidrar med kvalitet og mangfold i den offentlige helsetjenesten. Mange private har vært pionerer i faglig utvikling og ressursbruk. De private tilbudene gjør den offentlige helsetjenesten bedre og gir også pasientene økt valgfrihet. Vi mener at pasienter fra hele landet må få benytte seg av tilbudet ved for statens regning i kraft av retten til fritt sykehusvalg. Derfor har vi fremmet dette lovendringsforslaget. På samme måte som rusmiddelavhengige vil personer med spiseforstyrrelser ha behov for et bredt og mangfoldig tilbud. Helse- og omsorgsministerens anmodning om at helseforetakene skal bruke den ledige kapasiteten ved Capio, har ikke ført fram. Da Stortinget behandlet et forslag om å innlemme Capio i fritt sykehusvalg i fjor, uttalte regjeringspartiene at dette krever en lovendring. Nå sier helse- og omsorgsministeren at det ikke kreves lovendring for å godkjenne Capio Anoreksi Senter og andre tilsvarende tilbud som sykehus, slik at de kan omfattes av retten til fritt sykehusvalg. Derfor må det være en politisk begrunnelse for å

Høyre mener altså at vilkårene for godkjenning av sykehus bør åpne for godkjenning av tverrfaglige, spesialiserte helsetilbud som ikke driver sykehus av ren somatisk karakter. Dette vil etter vår mening bidra til et større mangfold av behandlingstilbud, økt valgfrihet for pasientene og ikke minst kortere ventetid. Jeg tar opp forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti som er fremmet i innstillingen.
Da har representanten Solveig Horne tatt opp de forslag hun refererte til. Det er

dette for å gjera det mogleg å godkjenna institusjonar som gir tverrfagleg spesialisert behandling. Dei føreset at ei slik lovendring vil medføra innlemming i ordninga med fritt sjukehusval. Dette vil ifølgje forslagsstillarane sikra at pasientar frå alle helseregionar kan nyta godt av tverrfagleg spesialisert behandling, sjølv om tilbodet berre eksisterer i enkelte av regionane. Forslagsstillarane hevdar at ei slik lovendring vil medføra eit betre helsetilbod i Noreg. Dei hevdar òg at Regjeringa ikkje ønskjer å nytta ledig kapasitet hos private aktørar av ideologiske grunnar. Senterpartiet er ueinig med forslagsstillarane i mange av dei føresetnadene som blir sette, men vi er einige i at tilbodet som blir gitt ved Capio Anoreksi Senter, er eit godt supplement til den offentlege helsetenesta, og som pasientar over heile landet kan ha nytte av.

gjennom avtale med private tenesteytarar, som Capio Anoreksi Senter. Dei regionale helseføretaka må til kvar tid vurdera om tilbodet til menneske med spisevanskar har god nok kvalitet og kapasitet, og vurdera behovet for å nytta privat verksemd til å utvida kapasiteten. Senterpartiet kan altså ikkje sjå at det må til ei lovendring dersom vi skal få eit betre helsevesen i Noreg, slik forslagsstillarane skriv i innstillinga. Det er heller ikkje slik at ei lovendring automatisk vil føra til innlemming i fritt sjukehusval, slik forslagsstillarane legg til grunn. I alle høve er det ein føresetnad at private institusjonar må ha avtale med eit regionalt helseføretak for å bli omfatta av ordninga med fritt sjukehusval. Ved vurderinga av om godkjenning som sjukehus skal givast, kan departementet bl.a. leggja vekt på, slik helse- og omsorgsministeren skriv, om samfunnsmessige eller faglege omsyn taler for at institusjonen skal godkjennast, om institusjonen er omfatta av planar utarbeidde av det regionale helseføretaket, og om dei tenestene som skal ytast, synest forsvarlege. Slik meiner vi det framleis skal vera. Lovens intensjonar må ikkje uthulast ved å gi unntak frå og lettar i krav til sjukehus for at det skal vera ein del av det frie sjukehusvalet. Senterpartiet meiner at vi må akseptera at det er dei regionale helseføretaka i dag som er gitt ansvaret for spesialisthelsetenestetilbodet i sin region, så òg ansvaret for utgreiing og behandling av spisevanskar. Særleg må dei partia som var pådrivarar for ei statleggjering og ei regionalisering av spesialisthelsetenesta, snart «belita seg» på dette.

dette. Etter det jeg har forstått, har Helsedirektoratet nå en gjennomgang av tilbudet til anoreksipasienter. Men det er likevel åpenbart, som flere har vært inne på her i dag, at det er et stort behov for flere behandlingsplasser når vi kjenner til hvor lang ventetiden er for å komme til behandling. Det er nærmere 50 000 i alderen 15–44 år som til enhver tid lider av spiseforstyrrelser, og disse lever med stor fare for å få andre alvorlige helseplager i tillegg. Anoreksi er lidelsen med høyest dødelighet sammenlignet med andre psykiske lidelser. Ifølge Folkehelseinstituttet er tidlig diagnose og behandling svært viktig. Det er store forskjeller i ventetider rundt om i landet. Dette bryter også med prinsippet om likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted. Det er svært beklagelig at særlig unge jenter, som dette ofte rammer, vi i dag har til behandling, svært viktig. Ved å åpne for at gode tverrfaglige institusjoner også kan godkjennes som sykehus, og dermed at institusjoner som Capio Anoreksi Senter kan komme inn under ordningen for fritt sykehusvalg, så øker det disse jentenes mulighet til å få hjelp. Representanten Mandt snakket om at det ikke var et ønske om uthuling av lovverket.

men det som er nødvendig, er at de må ha en avtale med et regionalt helseforetak for å omfattes av ordningen med fritt sykehusvalg. Det står også i statsrådens brev til komiteen. Men det er jo der problemet ligger. Man får ingen avtale som er langsiktig, forutsigbar, og som gjør at de – fra hele landet – som har behov for det, må jeg si at Regjeringens håndtering av denne saken er beklagelig, og jeg må også si at jeg føler sterkt at det har en ideologisk vinkling siden dette gjelder en privat institusjon. Men det er en god privat institusjon, som har vist seg å hjelpe. Og så lenge man ikke i det offentlige kan

hensiktsmessig endring i rettstilstanden. Jeg er derfor enig i flertallets konklusjon, at representantforslaget vedlegges protokollen. Spesialisthelsetjenesteloven regulerer de regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenesten. Herunder ligger ansvar for nødvendig helsehjelp til pasienter med spiseforstyrrelser og nødvendig helsehjelp til pasienter med Dette gjelder selv om begrepet «annen tverrfaglig spesialisert behandling» ikke er nevnt i loven. Det er på denne bakgrunn ikke nødvendig å endre spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, idet de nevnte områdene allerede anses å være en del av spesialisthelsetjenesten. Det er departementet som godkjenner sykehus med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Forskriften om godkjenning av sykehus gjelder både for somatiske og psykiatriske sykehus. Sykehus er ikke definert i loven, men lovens forarbeider legger til grunn at sykehustjenester omfatter medisinsk undersøkelse og behandlingsvirksomhet som tilrettelegges slik at pasienten kan beholdes over natten der dette er ønskelig eller nødvendig av medisinske grunner. Når departementet vurderer om godkjenning kan gis, legges det vekt på følgende: om samfunnsmessige eller faglige hensyn taler for at institusjonen skal godkjennes om institusjonen er omfattet av planer utarbeidet av regionale helseforetak om de tjenester som skal ytes, synes forsvarlige. Det kreves en omfattende skjønnsmessig og helhetlig vurdering for å ta stilling til hvorvidt lovens intensjoner oppfylles. Når det etter dagens rettstilstand ikke anses aktuelt å godkjenne en virksomhet som et sykehus, ser jeg ingen grunn til å lempe på de nevnte kravene for å la virksomheten kunne bli en del av ordningen med fritt sykehusvalg. Det er uansett ikke tilstrekkelig å være en del av spesialisthelsetjenesten for å kunne omfattes av ordningen med fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven § 2-4. For å kunne omfattes av ordningen må private institusjoner ha avtaler med et regionalt helseforetak. Forslaget vil derfor ikke bety noen praktisk endring for pasienter med er etter min mening ikke egnet til å oppnå forslagsstillernes hensikt. De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenestens utredning og behandling av de nevnte pasientgruppene. Den helsehjelpen som tilbys fra de offentlige sykehus- og poliklinikker og fra private sykehus etter avtale, er allerede gjenstand for fritt sykehusvalg. Når det gjelder denne pasientgruppen, er det at de regionale helseforetakene har fått beskjed om å etablere et helsetilbud til denne type pasienter, og det er også gjort i alle de regionale helseforetakene. Under enhver omstendighet er det med dagens lovverk ingen formelle hindringer for at de regionale helseforetakene velger å løse sine lovpålagte oppgaver gjennom avtale med private tjenesteytere,

statsråden nå sier at vi har god kapasitet i det offentlige helsevesen, og at vi må utnytte den, mener jeg at hun ikke har forstått det som er problemet, nemlig at disse pasientene har individuelle sykdomstegn, og at de ikke får det tilbudet i offentlig sektor som de ønsker. Når man sier at dette ikke er veien å gå, og vi møter alle disse flotte ungdommene som kommer dit og ikke får det tilbudet, og de føler at de går til grunne, fortjener de et svar som gir håp. Da er mitt spørsmål til statsråden: Hvilket svar har hun til disse ungdommene som gir håp? Jeg er opptatt av at denne pasientgruppen, disse unge menneskene, skal få den hjelpen de har behov for. Men jeg er også opptatt av at det offentlige helsevesen skal yte denne tjenesten. Og som sagt: Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet, står det de regionale helseforetakene fritt å kjøpe tjenester. Men i denne saken er det snakk om å gjøre en lovendring for å få en automatisk rett til fritt sykehusvalg. Det gjør man ikke uten videre ved en som jeg også prøvde å si, vil ikke i seg selv gjøre at Capio Anoreksi Senter ville bli godkjent for fritt sykehusvalg. Det ville fremdeles kreve at man hadde en avtale med et av de regionale helseforetakene. Da kunne helseforetaket og andre bruke det. Men i utgangspunktet, dersom de ikke har avtale, kan de ikke det. Nå har jo denne institusjonen avtale med Helse SørØst i dag og kan brukes også av andre dersom de velger å kjøpe plasser der. Jeg kan love at Høyre ikke kommer til å gi seg i denne saken før det blir en løsning, og ønsker administrasjonspartiet lykke til med å forsvare systemet overfor jenter med spiseforstyrrelser. Helse- og omsorgsdepartementet har i 2009 godkjent et privat sykehus som behandler personer med spiseforstyrrelser, nemlig Norsk Toppfotballs sykehus. Hva er begrunnelsen for at Helse- og omsorgsdepartementet godkjente Norsk Toppfotballs sykehus, men ikke Capio Anoreksi Senter som sykehus?

ansett som et
har et spørsmål: Mener statsråden at det er tilstrekkelig kapasitet til å behandle unge mennesker med spiseforstyrrelser i det offentlige helsevesen i dag? Hvis det er tilstrekkelig kapasitet, hvilket jeg oppfattet at statsråden kanskje mener, så er spørsmålet: Hvorfor må man vente i uker og måneder for å få plass? Sågar så er spørsmålet: Hvorfor må man vente i uker og måneder for å få plass? Sågar er det faktisk en del unge mennesker som også får avslag på spesialavdelingene, til tross for at vi har et folkehelseinstitutt som sier at disse bør komme tidlig til behandling, ellers går det galt for mange av dem. Det er klart at jeg er opptatt av denne pasientgruppen, og av at de skal få den nødvendige hjelp. Jeg går også ut fra at når Helse Sør-Øst har valgt å inngå en avtale med Capio Anoreksi Senter, er det fordi de har ansett det som nødvendig. Det har også vært veldig klare beskjeder fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene om at dette er et så viktig tilbud at det må man bygge ut i

Det er stort sett avhengig av det biologiske, og de personlige forholdene kommer inn som tilleggsforstyrrelser for legene. Når det gjelder psykiske og psykiatriske spørsmål, er det kanskje motsatt. Spiseforstyrrelse er en lidelse som vi ikke helt vet hvorfor oppstår. Men vi vet heller ikke hva det er som gjør at det går vekk. Det er fortsatt et område hvor vi trenger masse ny utprøving av metoder, mer kunnskap, andre måter å jobbe på. område hvor statsråden egentlig burde ha vært søkende etter bedre tilbud, istedenfor å være systemforsvarer for at det offentlige er det riktige, at uansett er det bedre at det offentlige bygger opp et tilbud, enn å prøve et tilbud som faktisk over tid har vist seg å være et godt tilbud for dem som har trengt hjelpen. Ja, det er et så godt tilbud at det er foreldre som har valgt å sette huset sitt i pant for at døtrene deres skal få fortsette å gå der, så godt tilbud at det finnes offentlige poliklinikker som lar være å ansette psykolog for å bruke alle de pengene til å betale for et opplegg på denne institusjonen, mens andre altså ikke får et tilbud om psykolog i det området. De vet at hvis de hadde gått til helseforetaket, hadde personen blitt tvangsinnlagt og blitt tvangsfôret. Det er relativt interessant å oppleve at statsråden har

nemlig psykiatriske/psykologiske lidelser som ingen har fasitsvaret på i dag. Jeg vil anbefale statsråden å begynne på en helt annen måte – oppfatte seg som ombudsmann for de unge jentene, oppfatte seg slik at hun har fått det politiske tillitsvervet hun har, fordi hun skal hjelpe folk, og at hun faktisk må finne en løsning i saken i stedet for å finne alle grunner til ikke å gjøre noe. Så min oppfordring er at statsråden bestemmer seg for at denne saken skal løses, for her har vi mye å lære. Det burde statsråden sagt noe om fra talerstolen, istedenfor å finne på alle mulige unnskyldninger for hvorfor systemet er viktigere enn mennesker. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Stortinget har i

Dette er i overensstemmelse med data i rapporten Narkotikasituasjonen i Europa, Årsrapport 2008 fra EONN. Det er ulik registreringspraksis i de land som omfattes av statistikken, og en nylig publisert artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening nr. 21 i 2009 viser at overdosestatistikken i Norge inkluderer mer enn heroinrelaterte dødsfall. Likevel er det hevet over tvil at antall overdosedødsfall er for høyt, og at alle gode tiltak skal settes inn for å redusere disse. Akuttbehandlingen ved overdose av heroin og lignende stoffer er raskest mulig injeksjon av legemiddelet Naloxon. Dette er en motgift, og Naloxon er i Norge godkjent for bruk ved injeksjon i blod eller i muskel. Det har lenge vært en mulig strategi at motgiften skal være tilgjengelig i eller nær brukermiljøene for å redusere risiko for overdosedødsfall. Det har vært en viss motstand mot å ta dette i bruk, både av praktiske grunner og på grunn av fare for Det er derfor utviklet en nesespray, og ved denne administrasjonsformen blir motgiften tatt opp i blodet og bringes til celler i hjernen for å motvirke effekten av heroinoverdosen. Ifølge Helsedirektoratet er det gjort små studier der bruk av nesespray sammenlignes med injeksjon, men sikre konklusjoner foreligger ennå ikke. Det er et håp at enkel bruk av en nesespray kan være et alternativ til dagens behandling med injeksjon. Neste trinn må være å vise at tiltaket er effektivt for å redusere overdosedødsfallene. Hvert dødsfall av overdose er ett for mye. Derfor skal nye forslag vurderes nøye og følges opp, og statsråden vil, som opplyst i brev av 18. desember 2009 til helse- og omsorgskomiteen, be Helsedirektoratet vurdere om det bør igangsettes forsøk med bruk av Naloxon nesespray for å forebygge Akuttbehandlingen av overdoser er ett av mange elementer i en verdig rusomsorg. Jeg imøteser at dette forslaget får en grundig medisinsk-faglig vurdering og ser fram til å lære om resultatene. Komiteens tilråding er at representantforslaget vedlegges

Jeg reagerte på at han bodde på et sykehjem. Jeg trodde ikke vi hadde unge mennesker som bodde sammen med svært gamle og svært syke mennesker, så jeg ba om å få hilse på denne gutten. Jeg måtte være der sammen med mammaen fordi hun var den eneste som hadde litt kommunikasjon med ham. Han var kommet i denne situasjonen Jeg har hatt kontakt med denne gutten i alle årene etterpå og fulgt med på hva slags liv han har. Det er ganske sterkt å tenke på at hvis denne nesesprayen virkelig kan gjøre en forskjell og den hadde funnes den gangen, hadde Øyvind i dag hatt et liv som andre ungdommer. For to uker siden var det igjen en begravelse hvor en av dem jeg gikk på skole med, ble begravet etter en overdose heroin. Kanskje kunne denne nesesprayen gjort en forskjell også for ham. Jeg vet veldig lite om nesesprayen, men det lille jeg har funnet ut, er nok til at jeg tenker at dette må vi sjekke ut. Dette må vi finne ut av. Er det en mulighet? Vi har derfor fremmet et forslag som er veldig ufarlig og veldig rundt, synes jeg, for å være sikker på at det skulle bli vedtatt, om å «utrede muligheten knyttet til et prøveprosjekt». Det kan liksom ikke bli mindre farlig. Nå sier imidlertid statsråden at hun vil be Helsedirektoratet vurdere dette, men samtidig blir forslaget stemt ned. Jeg har fått en del henvendelser fra en del organisasjoner som er veldig opptatt av dette forslaget. De spør hva som kommer til å skje i dag, for de har jo sett innstillingen. Jeg kan egentlig ikke gi dem noe svar. Jeg har sagt at de må spørre regjeringspartiene om det. Jeg har sagt til dem som spør: Regjeringspartiene sier at de er for, men de stemmer imot, og jeg vet ikke helt hva det betyr. og jeg vet ikke helt hva det betyr. Jeg hadde jo håpet at saksordføreren hadde forklart meg akkurat det. Jeg vil ta opp det forslaget som ligger i saken, og be om at det blir stemt over først, slik at Fremskrittspartiet subsidiært kan få stemme sammen med med flertallets innstilling. Representanten Kari Kjønaas Kjos har tatt opp det forslaget hun refererte til. Jeg synes det er

nytte. Det er klart at i den tiden vi går inn i nå, hvor vi skal prøve å redusere pengebruken for å klare å bevare industriarbeidsplassene våre, må vi alle stille spørsmål om de pengene vi bruker, blir brukt på en best mulig måte. Det temaet som dreier seg om mennesker som sliter med rusproblemer, er dessverre fortsatt veldig preget av at det er et moralsk standpunkt man tar. jeg regner med at jeg er en ganske enslig svale her i salen når det gjelder måten jeg tenker på, så langt i hvert fall – så vil jeg oppfordre representantene til å våge å tenke nytt rundt hele temaet. Det er ikke noe problem å se alle de feil og mangler som rusomsorgen preges av, men det er ikke sikkert at vi bruker lite ressurser samlet sett for å møte disse sosiale problemene. Da blir spørsmålet for meg: Møter vi disse menneskene og de sosiale problemene som mange lever med, på den riktige måten – også sett i forhold til ressursbruk? Jeg har tidligere tatt til orde for avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotiske stoffer. Det har ikke for min del vært et klarsignal til at flest mulig ungdommer skal eksperimentere med illegale rusmidler, men det handler først og fremst om hvordan vi møter mennesker i samfunnet vårt. Jeg tror at vi bør komme til et punkt hvor vi kan erkjenne at med alle de overdosedødsfallene vi har, med den narkotikabruken som er i samfunnet vårt, er det da slik at vi har valgt en riktig strategi for å invitere disse menneskene inn i fellesskapet vårt? Da har jeg tillatt meg å tenke høyt, jeg tror at vi da har en utstøtelsespolitikk som er en høyst velment moralisme. Men spørsmålet er: Hjelper det de menneskene og de familiene som lever med dette hver eneste dag? Vi bruker i dag enorme politiressurser på å møte noen av de svakeste menneskene i samfunnet vårt, eller som vi selv velger å si er svake, men som har betydelige menneskelige ressurser seg. Jeg tror at vi skal våge å tenke nytt om disse vanskelige spørsmålene, for det er altfor mange mennesker som venter på en hånd fra resten av samfunnet for å bli invitert inn. Jeg tror at vi skal våge å se litt på erfaringene fra andre land, for vi bør kunne enes om den målsettingen at alle skal kunne leve et godt liv med det utgangspunktet at man møter mennesker der hvor man er i livet. Så jeg vil oppfordre salen og representantene: Kan vi tillate oss selv å legge gamle dogmer til side, våge å tenke nytt og se at det her dreier seg om mennesker og ikke om prinsipper?

etterpå. Hva er årsaken til det? Er det frykten for å la opposisjonen få en politisk seier? Når forslaget til Fremskrittspartiet blir nedstemt her i dag, risikerer vi da at flertallet etterpå sier at nei, Fremskrittspartiets forslag er nedstemt, så Stortinget vil ikke at det skal settes i gang et prøveprosjekt? Og så er det Fremskrittspartiet som får skylden for det. Altså hva kommer til å skje etterpå? Er man redd for at man skal tape stemmer? Jeg tror de fleste personer det er snakk om her, har mer enn nok med å klare seg gjennom hverdagen og har store problemer med å komme seg til valgurnene. Så det kan ikke være det som er det vesentlige her. Så lenge vi ligger i verdenstoppen når det gjelder overdosedødsfall, er vi nødt til å sette enkeltmennesket i fokus. Jeg mener at kan vi redde ett eneste menneskeliv med denne sprayen, så må det være verdt det. Derfor vil jeg inderlig oppfordre alle her i salen til å stemme for det man er for, så får man heller stemme mot det man er imot. I likhet med representantene Kjønaas Kjos, Olsen og Gåsvatn er

antallet blitt betydelig redusert, men fremdeles er det for mange. Ingenting ville vært bedre enn om man kunne redde noen fra et overdosedødsfall med en nesespray, fordi antallet mennesker som dør, fremdeles er for høyt. Det er vi helt enige om. Så er det slik at dette arbeidet er allerede i gang. Dette arbeidet har jeg startet opp. Jeg redegjorde i svaret mitt på dagens representantforslag den 18. desember 2009 at jeg har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det bør settes i gang forsøk med Naloxon nesespray for å forebygge overdosedødsfall. Men jeg går ut fra at også Stortinget er enig i at dette må være en medisinsk-faglig vurdering.

jeg helt enig i at den politikken som føres i dag, er en utstøtelsespolitikk ved at personer som er motivert for behandling for å bli rusfrie, ikke får behandling. Senest i dag ble det lagt som viser at det området der ventetiden øker mest, er på området for rusmiddelavhengige. Jeg tror at regjeringspartiene først bør konsentrere seg om å bruke all sin innsats – ikke minst representantene fra regjeringspartiene – mot Regjeringen for å få Regjeringen til å prioritere det som vi vet faktisk virker på dette området nemlig å gi motiverte rusmiddelavhengige et tilbud om behandling for rusfrihet. Den dagen Stortinget kan konstatere at vi gir alle rusmiddelavhengige som er motivert for å få behandling for å bli rusfrie, behandling på det tidspunktet de er motivert, og hvis vi da ser store problemer og utfordringer på dette området, er det på tide å begynne å diskutere nye virkemidler som er eksperimentelle. Men innenfor dagens system vil jeg oppfordre representanten Forsberg til heller å slutte seg til Høyre i kampen for å få en nasjonal opptrappingsplan på dette området innenfor de områdene vi vet faktisk virker, og som gir et verdig liv. I medisinen, som kanskje også i livet for øvrig, er

Vi vet hva som er motgiften mot heroinoverdosene, men vi har mye, mye mindre kunnskap om det sjelelige – hvorfor det går slik – og vi har liten kunnskap om hva alle disse stoffene gjør med vårt indre. Det er veldig mange ting vi ikke er gode på. Det er veldig mange ting vi ikke skjønner i dette feltet. Derfor er vi som politikere, derfor er fagfolk, og derfor er storsamfunnet på defensiven i forhold til disse problemene. Når ting er så vanskelige, trenger vi håp. Da jeg første gang fikk se dette forslaget, følte jeg at her fordi nesespray er så fantastisk enkelt, fordi det kan alle bruke, og det har alle erfaringer med. Det å få et håp om at vi kan få et virkemiddel som gjør at det blir færre dødsfall, skal vi ha, og det skal vi ta med oss. Noen håp har vi ensomme og alene i livene våre. Noen håp får vi muligheten til å dele med mange. Å dele et håp på noe dette tror jeg ikke går an. Samtidig er det sånn at det å sette dette håpet ut i en praktisk hverdag, slik at det går fra et håp til å bli en realitet, krever kunnskap. Det krever kanskje et prøveprosjekt. Men denne kunnskapen må vi erverve ved de samme krav til vitenskapelige studier som øvrig. Derfor er jeg – uten å lage noen politisk polemikk rundt dette – veldig fornøyd med at arbeidet allerede er i gang. Da har jeg håp, og da tror jeg det er mange der ute som har håp. Så håper jeg – all partipolitikk lagt til side – at de studier som skal gjøres, bare og at det blir ett av mange virkemidler. Det kommer ikke til å klare å gjøre jobben alene, men det kan bli ett av mange virkemidler. Da er en god hensikt oppnådd, og da kan forslagsstillerne se tilbake på denne dagen med stor

kommunal forvaltning, og jeg må innrømme at som ganske ny på Stortinget forundres jeg over denne debatten hvor man ikke kan stemme for det man er for, og mot det man er mot. Jeg er vant til å drive praktisk politikk, og når jeg hører gode forslag fra andre partier, tenker jeg at det skal jeg stemme for, og av og til hører jeg dårlige forslag, og da sier jeg at det skal jeg være mot.

statsråden. Det er da jeg forundres over: Når statsråden er så klar, hvorfor kan man ikke da stemme for det? Kan statsråden, eller noen andre, forklare meg hvorfor? Det kan godt hende at det bare er jeg og Fremskrittspartiet som ikke forstår det, men vi får faktisk mange henvendelser fra enkeltpersoner og fra organisasjoner som er opptatt av dette, og som ikke skjønner dette spillet. Kan man ikke da skjære igjennom og rett og slett ha det slik at hvis man er for forslaget – det er et godt forslag, og jeg opplever at denne salen deler det synet – burde man stemme for forslaget? Jeg er

når man har løftet forslaget om avkriminalisering fram. For det blir fort noen misforståelser, og noen har også lyst til å feiltolke meg i retning av at jeg snakker om legalisering, men det ordet har jeg faktisk ikke brukt. Jeg har tatt til orde for en avkriminalisering. Når man snakker om at man har kommet med «50 forslag mot rus», tror jeg faktisk at de fleste rusmisbrukere opplever at man har en politikk mot dem. Det Når man snakker om at man har kommet med «50 forslag mot rus», tror jeg faktisk at de fleste rusmisbrukere opplever at man har en politikk mot dem. Det er i hvert fall slik det føles på utsiden av samfunnet. Jeg kunne nok ikke ha tenkt meg å bevege meg i retning av Høyre, selv om jeg er helt enig i at det er behov for en massiv opprustning av rusomsorgen, men ikke bare med det siktemål å bli rusfri. rusfri. Jeg tror også vi må erkjenne at det faktisk ikke er alle mennesker som kommer til å bli rusfrie, selv om det er vanskelig å akseptere. Vi trenger et tilbud for absolutt alle mennesker som sliter med rusproblemer, men først og fremst handler mitt forslag om å senke terskelen for å be om hjelp. For én ting er at 4 500 mennesker står i kø og venter på å få behandling, men tenk dere alle de andre menneskene der ute som ikke oppsøker behandlingsapparatet. Hva er det som stopper mennesker fra å be om hjelp? Kan det være skammen som ligger rundt dette temaet – at man blir utstøtt, stigmatisert? Jeg tror at vi har mye å tjene på å invitere mennesker inn, men da kan vi ikke gjøre det ved å kriminalisere mennesker som sliter med en

Planen var klar på retning og kvantitative mål. Det skulle bygges opp et bedre og mer desentralisert tilbud, og polikliniske tilbud i pasientens nærmiljø skulle erstatte institusjonsomsorgen. Evalueringsrapport fra Norges forskningsråd viser at opptrappingsplanens kvantitative mål langt på vei er nådd. Noen eksempler illustrerer dette: Det gis mer enn dobbelt så mange polikliniske behandlinger som da opptrappingsplanen ble iverksatt. Det er bygd 75 nye distriktspsykiatriske sentre, som har gitt mange pasienter et tilbud der de bor. Det er bygd om lag 3 400 flere tilrettelagte boliger for psykisk syke i kommunene. Selv om mange av de kvantitative målene i opptrappingsplanen er nådd, er vi ikke i mål med å gi psykisk syke et godt og likeverdig behandlingstilbud, Det er fortsatt for lange ventetider og for mange brudd på pasientrettighetene. Det er for stort press på døgnbehandlingstilbudet fordi det mangler gode tilbud lokalt. Det mangler sammenheng og helhet i tjenestene, noe som rammer alle pasienter, men psykisk syke rammes spesielt hardt. Brukermedvirkningen og pårørendeperspektivet er nødt til å bli ivaretatt bedre. Og ikke minst må det gis hjelp som faktisk hjelper. om den siste utfordringen, nemlig at psykisk syke skal få hjelp som hjelper. Etter å ha satt inn stor innsats for å styrke kvantiteten i det psykiske helsevernet, må vi nå jobbe mer for å styrke kvaliteten. Et illustrerende eksempel på at hjelpen ikke alltid hjelper, er hentet fra tilbudet til pasienter med tvangslidelser. Den 4. november 2009 viste TV 2 dokumentarfilmen «Psyk forvandling!». Programmet viste at det finnes effektiv behandling for pasienter som lider av tvangslidelser, men at få pasienter får tilbud om dette. Tvangslidelser er anslått til å være den fjerde mest utbredte psykiske lidelsen og rammer til enhver tid over 50 000 nordmenn. Dette er en invalidiserende lidelse som opptar mye tid, og fører til at pasienten får store problemer Mange blir uføretrygdet på grunn av lidelsen, og den innebærer vanligvis en stor belastning også for pårørende. Siden 1970-tallet har det vært kjent at såkalt eksponeringsterapi med responsprevensjon er en effektiv behandlingsmetode for lidelsen. Gjennom et titall studier har det blitt demonstrert at metoden er kostnadseffektiv og gir en betydelig bedring hos 60–70 pst. av pasientene. Metoden er anbefalt i Helsetilsynets retningslinjer for behandling, og de distriktspsykiatriske sentrene er bedt om å ha kompetanse på området. Til tross for dette er det svært mange pasienter som ikke får tilbud om denne behandlingen. På bakgrunn av den nevnte dokumentaren stilte jeg spørsmål om hva statsråden ville gjøre for å sikre at alle pasienter får tilbud om den aktuelle behandlingen hvis de har denne lidelsen. Statsråden tok da et prisverdig initiativ til å holde kurs i denne behandlingen for helseforetakene. Jeg er kjent med at Norsk Forening for Kognitiv Terapi er i ferd med å implementere en plan for bedre behandling av pasienter med tvangslidelser, og vil berømme fagfolk i dette miljøet for å ha tatt opp saken og dermed ha sørget for en forbedring av tilbudet til pasientene. Men denne saken reiser problemstillinger som gjelder for det psykiske helsevernet generelt. Hvordan kan vi sikre at fagfolk og behandlingsinstitusjoner har tilstrekkelig fagkunnskap til å gi god behandling? Hva gjør vi for å forsikre oss om at behandlingen av psykisk syke baserer seg på kunnskapsbaserte metoder, og ikke den metoden som behandleren til enhver tid synes er best å bruke på alle lidelser, eller generelt sett overfor en stor bredde av pasientgrupper? En nøkkelfaktor for å sikre god kvalitet i behandlingstilbudet er kunnskap om behandlingen og hva som er virkningsfulle metoder. Fra Høyres side mener vi at det legges for liten vekt på kvalitetsarbeidet i helseforetakene, og vi har derfor foreslått en ny kvalitetsstrategi for helseforetakene. Vi mener at det må utvikles flere kliniske veiledere som sikrer at kunnskapsbaserte og virkningsfulle metoder tas i bruk.

Jeg vil utfordre helse- og omsorgsministeren både til å utvikle flere behandlingsveiledere og å sikre at helseforetakene faktisk følger disse retningslinjene. Milde henstillinger er ikke nok. Fra politisk hold må vi stille minst like strenge krav til kvalitet som vi gjør til økonomistyring. For å lykkes i kvalitetsarbeidet må vi også foreta bedre målinger av kvalitet i det psykiske helsevernet.

Høyre mener at utviklingen av et desentralisert tilbud til psykisk syke har vært riktig og nødvendig. Vi må gi flere psykisk syke hjelp der de bor, slik at de kan mestre livet så godt som mulig i sitt nærmiljø. Bedre tilgjengelighet er avgjørende for at psykisk syke skal få bedre hjelp. En hovedutfordring er å sikre bedre sammenheng i tilbudet til de syke. Samhandlingsreformen, som nå er til behandling i komiteen, skal bidra til forbedringer i tilbudet i så måte. Samtidig innebærer den desentraliserte strukturen av distriktspsykiatriske sentre og ambulante team at en må ha ganske stor breddekompetanse. Psykisk sykdom er komplekst, og det stilles store krav til behandleren når han skal gi et spesialisert tilbud om utredning og behandling til alle pasienter i sitt opptaksområde.

og behovet for kvalitet og spesialisering på den andre siden. Rådet for psykisk helse har utarbeidet en rapport om kvalitet i det psykiske helsevernet med syv hovedpunkter som er nødvendig for å sikre god kvalitet i tilbudet til psykisk syke. Et av disse er at utdanningen av fagfolk må følge en bedre utvikling. Rådet viser til at samt spesialiseringen for psykologer og psykiatere ikke er tilpasset dagens tjenestetilbud og krav til brukermedvirkning. Dagens tjenestestruktur forutsetter som sagt breddekompetanse, noe som kan stille enorme krav til fagfolk. Det kan neppe forventes at psykologer kan gi god eksponeringsterapi til pasienter med tvangslidelser etter et firetimers undervisningskurs. Jeg vil oppfordre statsråden til å gjennomgå utdanningstilbudet i sektoren sammen med sin kollega i Forskningsdepartementet, for å forbedre og oppdatere utdanningstilbudet. På oppdrag for det daværende Sosial- og helsedirektoratet ble det utarbeidet en analyse av kompetansebehovet innen psykisk helsevern, som ble publisert våren 2006. Analysen konkluderer med at det mangler nærmere 500 psykiatere og et betydelig antall psykologspesialister ved de distriktspsykiatriske sentrene. Riksrevisjonens

og i poliklinikkene for barn og ungdom. Det er

noe som har gitt en stor økning i kvantitet både på DPS-ene – de distriktspsykiatriske sentrene – og når det gjelder fagfolk. Det man nå må jobbe med, er å utvikle kvaliteten – det er jeg helt enig i. Det overordnede målet for opptrappingsplanen var å legge til rette for at mennesker med psykisk lidelse skulle kunne leve et mest mulig vanlig liv i sitt nærmiljø og i sitt eget hjem. Det gjelder også for alvorlig syke personer, som i perioder trenger omfattende hjelp fra det kommunale hjelpeapparatet og spesialisthelsetjenesten. Sentrale elementer er brukerdeltakelse og lokalbaserte tjenester med vekt på kommunale tiltak og en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Etter opptrappingsplanen har Regjeringen videreført dette verdigrunnlaget i statsbudsjettene for 2009 og 2010. Mitt inntrykk er at alle nivåer i tjenesten har fanget opp disse signalene. Samtidig må vi erkjenne at det tar lang tid å snu holdningene fra å legge vekt på sykdom og sykehusbehandling til å utvikle et tydelig innhold i begreper som brukermedvirkning, brukerdeltakelse og mestring av eget liv. Her har vi fortsatt et stykke vei å gå. Jeg er kjent med at faglig praksis kan variere mellom behandlere og behandlingssteder, og at det kan ta tid før kunnskapsbaserte metoder tas i bruk. Jeg er ikke tilfreds med at det tar så lang tid å innføre ny kunnskap. Ifølge Helsedirektoratet er det likevel ikke grunnlag for å si at det generelt er stor faglig uenighet om behandling. De regionale helseforetakene skal sørge for at befolkningen får tilbud om spesialisthelsetjenester av høy kvalitet. I oppdragsdokumentene er det markert at kvalitetsforbedring skal være en kontinuerlig prosess som er forankret i ledelsen på alle nivåer. De regionale helseforetakene har videre ansvar for at nasjonale retningslinjer og veiledere tas i bruk. Arbeidet med nasjonale retningslinjer og faglige veiledere for psykiske helsetjenester har høy prioritet i Helsedirektoratet, noe som også interpellanten etterspurte. I løpet av få år er det utgitt flere veiledere, bl.a. veileder for psykisk helsearbeid i kommunene, for distriktspsykiatriske sentre, for samarbeid med pårørende, og ikke minst prioriteringsveiledere for psykisk helsevern – både for voksne og for barn og unge. Videre er det utgitt eller under arbeid nasjonale retningslinjer på en rekke fagområder innen psykiatrisk behandling. Veilederne gir anbefaling om hvor lenge en pasient med en gitt diagnose maksimalt kan vente på behandling, og om hvilken type behandling som bør settes i verk. Kommunene, regionale helseforetak og Helsedirektoratet samarbeider om innføring av retningslinjer og veiledere i tjenesten. Psykisk helsevern er styrket og modernisert de siste ti årene. Vi har utviklet et desentralisert psykisk helsevern med i alt 75 distriktspsykiatriske som dekker alle landets kommuner. Målet er tilgjengelige og sammenhengende tjenester av høy kvalitet. Et psykisk helsevern med hovedvekt på desentraliserte tjenester er i tråd med utviklingen i andre vestlige land og med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon. Situasjonen ved DPS-ene ble gjennomgått i 2008. På grunnlag av dette har de regionale helseforetakene fått i oppdrag å styrke omstillingen fra institusjonsbehandling til mer utadrettede og ambulante tilbud. Videre skal de oppgradere DPS-ene faglig og bemanningsmessig. Sykehusenes rolle skal avklares, slik at de kan ivareta spissfunksjoner innen psykisk helsevern. Det er viktig å dimensjonere fordelingen av ressurser mellom DPS-ene og sykehusavdelingene slik at tilbudet er tilpasset befolkningens behov. På spørsmålet om strukturen i det psykiske helsevernet sikrer tilstrekkelig spesialisering og kompetanse, vil jeg understreke at det er befolkningens behov som skal legges til grunn. Utdanningene må sørge for at undervisningen er tilpasset modellen med lokalbaserte tjenester. Det betyr at brukerperspektivet, mestring, samhandling og tverrfaglighet må være integrert i utdanningene. DPS-ene vil være den sentrale erfarings- og kunnskapsbasen. Grunnlaget for spesialistkunnskap innen psykiatri, psykologi og psykisk helsearbeid legges i spesialistutdanningen, i etter- og videreutdanningene og gjennom klinisk praksis. Det betyr at vi må stille krav til universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner, men også til tjenesten som klinisk kunnskapsbase for utdanningene. Det er strenge krav til praksis for å bli spesialist i psykologi eller psykiatri, og disse kravene kan ikke fravikes. Jeg føler meg trygg på at et godt utbygd nettverk av gode DPS-er, kombinert med gode sykehusavdelinger, vil være den beste basis for

områder. Vi er fortsatt i en oppbyggingsfase for å få til fullverdige DPS-er over hele landet. Det er en utfordring for det kliniske tilbudet og for kompetansen, men det gir ikke grunnlag for å revurdere intensjonene om en endret struktur i den psykiske helsetjenesten. Vi må fortsatt ha trykk på omstilling i psykisk helsevern. Jeg vil understreke at det er gjennomført omfattende kompetanseheving innenfor psykisk helsevern under opptrappingsplanen og etterpå. Det er innenfor psykisk helsevern under opptrappingsplanen og etterpå. Det er etablert en rekke kompetansefunksjoner, et stort antall personell har gjennomgått nye videreutdanninger innen tverrfaglig psykisk helsearbeid, og ikke minst er rekrutteringen til feltet vesentlig bedret. Det gjelder både spesialister i psykologi og psykiatri og høyskoleutdannet personell. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå spesialistutdanningen for leger for å vurdere behovet for å endre struktur og innhold. De skal også gjennomgå videre- og etterutdanningstilbudene ved private institutter og foreninger som får offentlige tilskudd. De spørsmål som representanten Høie tar opp, fortjener definitivt oppmerksomhet i lang tid fremover. Min vurdering er at vi er på rett kurs med de politiske beslutninger som er tatt, og de tiltak som er iverksatt. Jeg vil slutte meg helt til

kanskje er litt annerledes enn det en så for en del år tilbake i tid. Det er også slik at vi innenfor det somatiske helseområdet ser at det å etablere standard prosedyrer, og ikke minst det å registrere behandlingen som gis – få mye mer informasjon knyttet opp mot hvilken behandling som er gitt, og resultater – gjør at en akkumulerer kunnskap, som igjen forbedrer behandlingsmetodene. Jeg tror det er behov for å ha økt fokus på dette også innenfor psykiatrien, ikke bare registrere at en får behandling, men også registrere hvilken behandling som gis, registrere resultatene og få felles kriterier for måling av resultater av behandlingen. Kun på den måten kan vi kontinuerlig forbedre tilbudet til pasientene, ha en faglig utvikling, og også i neste omgang forbedre de anbefalte behandlingsmetodene som gis på et område. Dette gir en utfordring som vi også har sett innenfor somatikken, og som kanskje har kommet tidligere i somatikken enn i psykiatrien, nemlig at man får en kombinasjon av en desentralisering av tilbud, fordi flere tilbud kan løses lokalt, desentralisert, og samtidig en sentralisering, knyttet opp til at en da også vil se at det er enkelte behandlingsmetoder som bare kan gis sentralt. Ikke minst er spennet i antall behandlingsmetoder så omfattende at en ikke kan forvente at en psykiater er en psykiater uansett hvilken lidelse pasienten har. behandlingsmetoder så omfattende at en ikke kan forvente at en psykiater er en psykiater uansett hvilken lidelse pasienten har. For eksempel bør det være mulig å ha oversikt over de avtalespesialistene som en har innenfor psykiatrien, og også psykologer, og på hvilke områder disse har utviklet dybdekunnskap, slik at en vet at hvis en blir henvist til en psykiater med avtale, kommer en til en psykiater som også er i stand til å gi en adekvat behandling for den lidelsen som en har. Det vil kanskje være å ha for store forventninger til våre fagfolk som har tittelen psykiater, skal kunne beherske alle behandlingsmetoder for alle

ikke bare innenfor psykisk helsevern, men også innenfor alle områder i hele spesialisthelsetjenesten. Det er viktig på den måten å få ut informasjon til kompetansepersonell rundt om i hele landet, og også sikre at det er en kvalitetssikring av behandlingen som gis. også sikre at det er en kvalitetssikring av behandlingen som gis. Også dette med kvalitet ble tatt opp, spesielt i første innlegg, og det er jeg helt enig i, men det ligger jo mye kvalitet i at kvantiteten har økt så mye. Det går selvfølgelig på behandlede pasienter. Bare i barne- og ungdomspsykiatrien var det i 1998 20 600 barn som ble behandlet, og i Det viser at behovet har økt, men det viser også at man har nådd mange flere. Og her har i hvert fall også ventetidene gått ned. Det er bra, og det er gledelig. Så er det også slik, som man har vært inne på, at man ikke gjør tingene likt alle steder. Og da har jeg lyst til å trekke frem et veldig godt eksempel. Bruk av tvang har vært mye i fokus i det siste. På Jæren Distriktspsykiatriske Senter har man brukerstyrte senger hvor det er mye mer opp til brukerne selv når de føler behov for å legge seg inn eller få assistanse og hjelp. Det har redusert bruken av tvang. Det er klart at dette er metoder som også må bringes ut i det ganske land, så vi skal være gode på å bruke de gode eksemplene – og

å bruke de gode eksemplene – og bringe dem videre. Det er et viktig tema som helt klart fortjener vår oppmerksomhet, interpellanten her tar opp. Som interpellanten selv sier, har opptrappingsplanen innen psykiatri gjennom ti år vært vellykket i den grad at i dag får flere enn noen gang behandling. Så vil fokusområdet nå framover være å få enda bedre kvalitet, og det skal vi selvsagt strekke oss etter. Derfor er jeg glad for at ministeren i sitt svar sier at arbeid med nasjonale retningslinjer og faglige veiledere for psykiske helsetjenester har høy prioritet i Helsedirektoratet. Retningslinjer og faglige veiledere er med på å øke kvaliteten innenfor psykiatrien og sikrer pasientene den behandlingen de har krav på. Når det gjelder pasienter som har tvangslidelser, er jeg enig med interpellanten i at flere burde fått tilbud om eksponeringsterapi. Derfor er jeg glad for at vi på et møte med pårørendeorganisasjon og fagfolk fikk vite at dette var en dokumentert behandlingsmetode som fagfolk flere steder i landet kunne læres opp til å bruke. Eksponeringsterapi er en behandlingsmåte, stort sett uten medikamenter, som ofte kan gjennomføres uten innleggelse av pasienten. Vi kan selvfølgelig ikke akseptere at om vi har en metode som har dokumentert effekt, at det finnes fagfolk som unnlater å bruke den. Det burde kanskje være noe statsråden kunne se på. Alle pasienter er forskjellige, og det krever at den enkelte må få en behandling som er tilpasset sitt behov. Det er også viktig at vi fortsatt har et stort fokus på at pasientene i størst mulig grad må få behandling i nærheten av Derfor er det bra at vi nå har distriktspsykiatriske sentre som dekker alle landets kommuner. Sammen med kommunens helsetjeneste bygges det ut ambulante team som driver oppsøkende virksomhet. Det gjør at mange kan få behandlingen i hjemmet sitt og slipper å bruke mye tid på å dra til behandlingssteder, og kan få tilpasset behandling i sitt nærmiljø. Det er mange som gjør en god jobb innenfor psykiatrien, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. At vi ikke alltid får til samspillet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, er nettopp en av årsakene til at Samhandlingsreformen så dagens lys. Viktigheten av at samspillet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer godt, er avgjørende for kvaliteten på det

Jeg ser fram til at vi kan få bred enighet i Stortinget om Samhandlingsreformen, noe som vil bidra til å styrke tilbudet til disse pasientene ute i kommunen og bidra til et mer helhetlig behandlingsløp – på tvers av nivåene i helsesektoren.

I en rapport fra Folkehelseinstituttet, Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv, finner vi at rundt en fjerdedel av befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet, og at depresjon vil ramme en av fem. I tillegg har vi rusrelaterte lidelser, personlighetsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og schizofreni. Nøkkelen til et godt psykisk helsevern er å komme tidlig inn med hjelp. Det er en gjenganger når det gjelder enkeltpersoner som tar kontakt og det jeg leser i forskjellige artikler – nemlig det faktum at folk ikke helt forstår eller finner ut av hvor de kan få hjelp når problemene starter. Deretter oppdager de at når de endelig har funnet ut av dette, blir de stående i en eller annen kø. Gjennomgående får jeg høre at man måtte vente for lenge, og at sykdommen og plagen ble dypere og mer alvorlig i løpet av denne tiden. For få år siden var jeg på besøk på en helsestasjon i min kommune. Helsesøster, med mer enn 20 års erfaring, kunne fortelle at hun nå opplevde barn helt ned i 1. klasse som slet med psykiske problemer, og at dette var noe som hadde skjedd de siste årene. Psykiske problemer i tidlig alder vil – om det ikke blir sett og gjort noe med det, kunne medføre rusproblemer, spiseforstyrrelser, selvskading, eller utvikle seg til alvorlige psykiske lidelser. Personer som sliter med dette, opplever ofte at de ikke får hjelp til det som medførte at de begynte å ruse seg, skade seg eller sulte seg. Opptrappingsplanen for psykisk helse var på mange måter en suksess. Mye ble oppnådd, men vi kom ikke i mål. Det skremmer derfor meg når vi nå stadig får meldinger om kutt i tilbudet til psykisk syke. I Askøy kommune har de som mål å gi hjelp når det trengs. Ifølge kommuneoverlegen har tilbudet virket etter hensikten. Foreldre, barn og samarbeidspartnere tar kontakt på et tidligere tidspunkt når tilgjengeligheten er god og terskelen er lav. Slik klarer de å identifisere en problemutvikling og iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt. Overlegen mener etterspørselen etter psykologtjenesten er stor – og økende. Personer med alvorlige tvangslidelser, som interpellanten viser til, er en gruppe som i årevis har blitt Noen av disse hadde deler av helse- og omsorgskomiteen glede av å møte etter et program vist på TV 2 om eksponeringsterapi. De hadde utrolig sterke historier å fortelle. År etter år med ødelagte liv, både for den som sto midt oppe i det og for vedkommendes nære. Kunnskapen lå der, men tilbudet var så å si fraværende. Dette er rett og slett uakseptabelt, og jeg håper statsråden også fikk med seg dette programmet. Alt i alt er det grunn til å trekke konklusjonen at vi har en lang vei å gå, også innenfor psykiatrien. Vi vet at lavterskeltilbud er viktig og kan forebygge alvorligere sykdom, men ikke alle har tilgang til dette. Vi vet at ventetiden for behandling er svært lang i mange tilfeller, og at dette dermed blir et tilbud for dem som kan kjøpe seg ut av køen. Lange ventetider øker faren for eskalering av sykdom og kan medføre økt bruk av tvang. Vi vet at bruk av tvang benyttes i ulik grad rundt i vårt land, og at tvang oppfattes krenkende og skremmende og er med på å svekke tilliten til behandlingstilbudene. Og vi vet at det er vondt og vanskelig å leve med psykiske lidelser både for den som er rammet, og for alle dem som står vedkommende nær. Vi vet at de lærde strides, og at feil tilbud har tilnærmet null verdi. Vi må slutte å gi et tilbud bare for å kunne krysse av for at tilbud har blitt gitt. Dette er utmattende for den det gjelder, og er svært dårlig bruk av ressurser. Og vi vet at noen nesten gjennom et helt liv går ut og inn av behandlingstilbud – noen fordi man kommer for sent i gang, noen fordi det ikke ble gitt riktig behandling, og noen fordi de ble skrevet ut for tidlig. Altfor mange av disse orker rett og slett ikke mer og avslutter sitt liv. Vi kan bruke mange fine ord i denne sal, men hverdagen utenfor disse vegger er beintøff for noen. Selv om vi har gjennomført en tiårig opptrappingsplan for psykisk helse, er

Tilsynsrapporter viser at det er betydelige utfordringer med å sikre god kvalitet på dette tilbudet. Som interpellanten nevnte, iverksatte Statens helsetilsyn i 2008 et toårig tilsyn med spesialisthelsetjenestene i de distriktspsykiatriske sentrene. Etter et år utga tilsynet rapporten om DPS, Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? Tilsynsrapporten er alvorlig og viser grunnleggende svikt i tjenestetilbudet til psykisk syke. Rapporten er grunnleggende svikt i tjenestetilbudet til psykisk syke. Rapporten er kort omtalt i Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for inneværende år. Men departementet uttaler selv at denne og andre tilsynsrapporter viser at svikt i helsetjenesten stadig gjentar seg. Det store spørsmålet er da hva helse- og omsorgsministeren som eier av helseforetakene gjør for å sikre kvaliteten og innholdet i behandlingstilbudet til psykisk syke og andre pasienter. Tilsynets oppgave er å avdekke svikt, mens helse- og omsorgsministeren har ansvar for å sikre at svikt ikke gjentar seg. Høyre fremmet i budsjettinnstillingen et forslag der vi ba om en redegjørelse for hvilke tiltak Regjeringen har iverksatt for å rette opp generell svikt og mangler i helse- og omsorgstjenesten som Helsetilsynet har avdekket gjennom sine tilsynsrapporter de siste årene. Dessverre fikk forslaget bare støtte fra opposisjonspartiene, ikke fra regjeringspartiene. Det er i seg selv oppsiktsvekkende at regjeringspartiene ikke ønsker åpenhet om hvordan svikt i helsetjenesten følges opp. Vi forutsetter likevel at Regjeringen tar ansvar for at svikt som påpekes av Helsetilsynet, følges opp spesialisthelsetjenesten. Jeg vil utfordre statsråden til å redegjøre for hvilke helt konkrete tiltak Regjeringen har iverksatt for å forbedre kvaliteten i de distriktspsykiatriske sentrene, i lys av den alvorlige tilsynsrapporten fra 2008. Høyre har foreslått en ny kvalitetsstrategi for helsetjenesten, som bl.a. omfatter utvikling av flere faglige retningslinjer for god behandling. For å forbedre kvaliteten må vi også vite noe om kvaliteten i helsetjenesten. Samarbeidsregjeringen, Bondevik II, fikk utviklet 18 kvalitetsindikatorer, men deretter ser arbeidet ut til å ha stoppet opp. Fra Høyres side vil vi understreke at helsetjenesten må styres etter kvalitetsmål, ikke bare etter økonomiske mål. Dette er avgjørende for at pasientene skal få hjelp som faktisk hjelper. Fagforeningene har gjort og gjør mye viktig arbeid med kvalitetsutvikling i helsetjenesten. Legeforeningen har gjennomført flere såkalte gjennombruddsprosjekt innenfor psykisk helsevern. Et av dem het KEPP, Kvalitet og effektivitet i polikliniske tjenester for mennesker med psykiske lidelser. Tiltaket ble etablert i samarbeid mellom Legeforeningen og Samarbeidsregjeringen. 24 deltakergrupper fra 30 poliklinikker over hele landet arbeidet systematisk

I vår skal det gjennomføres et gjennombruddsprosjekt om tidlig oppdagelse og behandling av psykose. Prosjektet retter seg både mot spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og er etablert i samarbeid mellom flere fagforeninger og brukerorganisasjoner. Jeg vil oppfordre statsråden til å sørge for at helseforetakene bidrar i dette viktige kvalitetsarbeidet, og ikke minst at erfaringene fra prosjektet brukes til å forbedre tilbudet til psykisk syke.
Neste taler er
psykisk syke. Evalueringsrapporten for Opptrappingsplanen for psykisk helse viser at ti år med opptrappingsplan har gitt psykisk helsearbeid i Noreg eit lyft. I hovudsak har vi nådd dei kvantitative måla når det gjeld ressurs- og aktivitetsvekst for det psykiske helsearbeidet i kommunane. Talet på tenesteårsverk har auka betydeleg, og vi har fått nær 3 000 nye bustader. Vi har hatt ein markert auke i den polikliniske aktiviteten og i døgnkapasiteten på distriktspsykiatriske senter. Det har òg vore ein markant bemanningsauke innan barne- og ungdomspsykiatrien, og dekningsgraden har auka betydeleg. Utdanningskapasiteten i høgskulesektoren er utbygd, og rekrutteringsgrunnlaget er klart styrkt. Evalueringa viser at brukarmedverknad har fått ein langt meir sentral plass, men at det her Når det gjeld tvang, er hovudfunna at anslaga om omfanget av tvang og endringar i bruk av tvang er svært usikre. Men sjølv om dei kvantitative måla er nådde, er det eit sentralt problem at vi veit for lite om innhaldet i dei tenestetilboda som blir gitt. Vi veit for lite om kvaliteten i tilboda. Det same

Opptrappingsplanen har nok i hovudsak vore ein strukturreform med svakt fokus på innhald og kvalitet. Det bør derfor no satsast på vidareutvikling av kvalitetsindikatorar og kvalitetssikring. Særleg er det viktig at det blir teke eit krafttak for å skaffa pålitelege, landsdekkjande fakta for bruk av tvang i det psykiske helsevernet. Det er òg viktig at ein ser ekstra på behandlingstilbodet til dei pasientgruppene ein i dag veit har eit mangelfullt tilbod. Det gjeld i særleg grad dei eldre og generelt dei med lettare psykiske lidingar. Senterpartiet er derfor heilt einig med interpellanten i at ein bør få større grad av standardisering av behandlinga i psykiatrien, særleg på område der det i dag finst god dokumentasjon på kva som er effektiv behandling.

Dei fleste nye psykologstillingane er f.eks. oppretta i helseforetaka. Korleis kan kompetansen styrkast i kommunane? Personar med psykiske lidingar har ofte òg rusproblem, andre helseproblem og problem med yrkesliv. Er vi dyktige nok med å gi hjelp ved samansette helseproblem? Framleis er det mange spørsmål. Vi har nok av kritiske rapportar: frå Riksrevisjonen om tilbodet til vaksne med psykiske helseproblem og frå Helsetilsynet om brot på lover og I Noreg har vi i dag ein såkalla døgntung struktur samanlikna med psykisk helsevern i andre land. Rundt 70 pst. av ressursane innan psykisk helsevern går til spesialisthelsetenesta, rundt 30 pst. til kommunane. Halvparten av innlagde i psykiatriske akuttavdelingar i sjukehus burde hatt tiltak på distriktspsykiatrisk/kommunalt nivå. 40 pst. av døgninnlagde på distriktspsykiatriske senter burde hatt tilbod på kommunalt nivå. Opp mot 400 000–500 000 pasientar innan psykisk helsevern er i dag ferdigbehandla i psykiatriske avdelingar og ventar på bustad og omsorgstilbod i kommunane. Dette viser at dårleg tilgjengelegheit ikkje berre skuldast økonomi, men dårleg organisering og arbeidsmetodar og manglande samarbeid. Strukturarbeidet i psykiatrien må altså fortsetja, slik at vi får meir vektlegging av førebygging, og styrking av kvaliteten i psykiatritilboda i kommunane spesielt. Denne satsinga må òg få konsekvensar for utdanninga av helsearbeidarar i psykiatrien. Fleire må utdannast og vidareutdannast med tanke på å fungera i kommunehelsetenesta og i det førebyggjande arbeidet.

Det er desto viktigere å ha klare mål for videre oppfølging. Jeg har lyst til å nevne tre områder der vi i dag helt klart ser store ulikheter, avhengig av hvor man bor i landet og hvilke tilbud som gis. Det ene området gjelder den gruppen pasienter som interpellanten selv peker på, nemlig pasienter med alvorlige tvangslidelser. ANANKE, som er foreningen for mennesker med tvangslidelser, har påpekt som også interpellanten nevnte – at det er den fjerde vanligste psykiske lidelsen i Norge. Det er noe mange ikke er kjent med. De sier videre at 50 000 mennesker er rammet. Mange blir rammet av denne lidelsen tidlig i ungdommen, og uten behandling kan pasientene slite med tvangslidelser resten av livet. Det er et paradoks at det i dag finnes en effektiv behandling, men den er ikke implementert overalt og blir derfor ikke gitt til store deler av disse pasientene. Det er faktisk kanskje et mindretall som får denne behandlingen. Det finnes også kliniske retningslinjer som virker, og som fagmiljøene er enige om. Behandlingen, som har vært nevnt tidligere i dag, eksponeringsterapi, har vist seg å kunne føre til så mye som 60–80 pst. helbredelse. Fordi denne behandlingen ikke er implementert og standardisert ved blir mange av disse pasientene feilbehandlet. Det er også et stort problem. Det andre området jeg vil nevne, er tvangsbehandling, der ulikhetene er store mellom de ulike regionale helseforetakene. Kristelig Folkeparti har inne et representantforslag til behandling i komiteen, og vi vil få en egen debatt om dette om kort tid. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på tvangsbehandling i dag, annet enn å påpeke at Norge samlet sett etter min mening ligger altfor høyt i bruken av tvangsbehandling psykisk helsevern. Heldigvis finnes det noen lyspunkter, som også statsråden pekte på i sitt første innlegg. Det tredje området jeg vil nevne, er et økende problem blant barn og unge, nemlig spiseforstyrrelser. Det har vi også hatt oppe tidligere i dag. Her har vi store ulikheter, men kanskje først og fremst stor mangel på gode behandlingsplasser. Spesialmiljøene som finnes, har så liten kapasitet at bare De unge selv sier at med mindre de har prøvd å begå selvmord en gang eller flere, har de ingen sjanse for innleggelse ved spesialavdelinger. Dette er skremmende. Det burde jo være slik at de beste miljøene også hadde hatt kapasitet til å komme inn med tidlig diagnostisering og behandling og ikke minst veiledning til f.eks. fastleger eller andre i kommunehelsetjenesten som ofte først fanger opp den unge pasienten. Tidligere i dag hadde vi en debatt om bl.a. Capio Anoreksi Senter, som har ledig kapasitet, men som ikke blir benyttet fullt ut til tross for manglende tilbud ellers i landet. Den kompetansen som er opparbeidet ved Capio, burde etter min mening tas imot med takk og interesse. Deres behandlingsregime virker, og det kan man Jeg er ikke i tvil om at dersom helseministeren og Regjeringen, som øverste ansvarlig for helsetjenesten, ønsket det, kunne de selvsagt sørget for at pasienter fortsatt fikk velge denne institusjonen som sitt behandlingssted. Det må være resultatene som teller for den enkelte pasient.

Dermed kan vi på en måte si at i psykiatrien i de siste årene har det vært et veldig fokus på den pasientgruppen som har behov for et mer eller mindre permanent botilbud i kommunene og en mer eller mindre permanent tilknytning til psykiatrien. Det gjør at vi veldig ofte kan glemme at det å ha en psykisk lidelse også innebærer at en har en psykisk lidelse, oppsøker psykiatrien,

og et psykiatrisk tilbud som ikke er tilpasset den lidelsen de har, opplever at de får stadig ny behandling som ikke virker. Det vil til slutt føre til at pasienten på mange måter blir behandlingsresistent og ikke lenger tror det er mulig å bli frisk – og kanskje også utvikler andre lidelser som følge av dette. Dette er også en av hovedgrunnene til å ta opp denne problemstillingen, for vi må også ha fokus på at psykiske lidelser er noe en kan få behandling for. Det er viktig å få rett behandling til rett tid. Nå vet vi at det er overlevert en plan for implementering av dokumentert behandling for tvangslidelser til Helsedirektoratet, og mitt avslutningsspørsmål til statsråden er: På hvilken måte vil denne planen bli fulgt opp i det videre arbeidet? For å ta tak i det siste Siden mange har vært inne på og referert til den TV 2-dokumentaren 4. november, som jeg tror gjorde inntrykk på alle som så den, vil jeg svare på hva som er gjort i forhold til det. For det ble tatt opp av representanten Bent Høie i et skriftlig spørsmål 9. november i fjor.

og jeg har også bedt om at de regionale helseforetakene sørger for at de distriktspsykiatriske sentrene får kompetanse i ulike terapiformer, herunder eksponeringsterapi. Så dette er fulgt opp, og det vil også bli fulgt opp videre i tertialmøter med RHF-ene i løpet av dette året. Så til en del andre ting som ble tatt opp, ikke minst dette med å ta fatt i problemene i ung alder, som Kjønaas Kjos var inne på. Det er klart det er viktig. Om man ser at et barn har psykiske utfordringer, er det jo ikke sikkert at man har behov helt inn i at man har behov helt inn i spesialisthelsetjenesten. Det er så viktig at man har de lavterskeltilbudene som er nevnt. Askøy er et veldig godt eksempel, der har man et veldig godt lavterskeltilbud, både skolehelse- og psykologtilbud, og det har også noe å gjøre med rett behandling til rett tid – mye kan løses på et tidlig tidspunkt. Hva gjør man med den svikten som er avdekket, spør representanten Sjøli. Da vil jeg bare gjenta litt av det jeg sa: Det er viktig å øke kompetansen, sørge for at utdanningen også har fokus på tverrfaglighet og på den behandlingen som vi i dag ønsker mye mer desentralisert – poliklinisk behandling. Det er selvfølgelig også viktig å gjøre behandlingstilbudet kjent gjennom veiledere, som jeg nevnte i et tidligere innlegg. Så til dette med tvang: Regjeringen har besluttet å oppnevne et lovutvalg i inneværende år som skal vurdere de etiske, faglige og rettslige sidene ved dagens regler og praksis innen psykisk helsevern, herunder også behandlingskriteriet, altså vilkåret, for tvangsbehandling generelt – nettopp fordi vi her ser at det er ulikheter, som også

Det er riktig at en i det siste har hatt veldig stort fokus på en konkret sak ved ett av helseforetakene knyttet til – i alle fall mistanke om – en manipulering av datoen for innkalling til pasientundersøkelser og behandling. Dette er etter Høyres oppfatning bare ett eksempel på at det finnes ulike måter som pasientrettighetene undergraves på i helseforetakene våre. Vi har òg registrert den gjennomgangen som det var riktig av helseministeren å foreta i helseforetakene knyttet til om liknende forhold kan bli avdekt i de andre helseforetakene. Gjennomgangen viser at det ikke er tilfellet, knyttet opp til den type manipulering av Det er heller ikke det som er intensjonen med denne interpellasjonen. Det som er intensjonen med denne interpellasjonen, er å trekke opp den utfordringen som det gir ved at en har helseforetak som både innfrir retten til spesialisert behandling, skal gjennomføre retten til spesialisert behandling og finansiere retten til gjennomføring av spesialisert behandling. Dette gir, etter det som også bl.a. professor Syse har tatt opp, en utfordring knyttet til bukken og havresekken-problematikken. Problemet med det at pasientrettighetene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, er dokumentert gjennom en rekke nylige rapporter knyttet opp til fritt sykehusvalg. Retten til en individuell frist for behandling ble imidlertid foreslått av regjeringen Bondevik II, og vedtatt i Stortinget 2. desember 2003. Samtidig ble det innført en rett til behandling i private virksomheter i Norge eller i utlandet, dersom fristen ble brutt. I innstillingen uttalte komiteen enstemmig: «Komiteen har merket seg at departementet foreslår at helsetjenesten skal informere de aktuelle pasientene om når behandlingsfristen går ut. behandlingsfristen går ut. Behandlingsfristen vil få større reell betydning for pasientene når de får et konkret tidspunkt som de kan forholde seg til og innrette seg etter.» Men spørsmålet i forhold til denne interpellasjonen er rett og slett om Stortingets intensjon med pasientrettighetene og pasientrettighetsloven er oppfylt. Har pasientene fått betydelig bedre rettigheter og rettssikkerhet?

eller mellom diagnose og frist for behandling.» Videre heter det i rapporten: «Også fastsetjinga av fristar for når behandlinga seinast skal givast, synest meir prega av kapasitetsomsyn enn av omsynet til pasientane.» Helsedirektoratets rapport om ventetider og ventelister for andre kvartal 2009 påpekte nok en gang store variasjoner i tildeling av rett til helsehjelp:

rapport fra Helsedirektoratet knyttet til ventelistesituasjonen for 2009. I denne rapporten ble akkurat det samme bekreftet: «Det er variasjoner i rettighetstildeling mellom ulike sektorer og regioner. For somatisk sektor er det store variasjoner mellom regionene i hvor stor andel av pasientene som gis prioritet. I 3. tertial 2009 gav Helse Midt-Norge prioritet til 80 prosent av pasientene, mens Helse Nord prioriterte 48 prosent av pasientene. Innen psykisk helsevern for voksne varierte andelen pasienter med prioritet fra 91 prosent til 66 prosent . Innen psykisk helsevern for barn og unge var forskjellene mindre og var 88–90 prosent i tre av regionene.» Helsetilsynet gjennomførte et toårig tilsyn med psykisk helsevern i Distriktspsykiatriske sentre. I rapport 4/2009 gir de Helsetilsynet gjennomførte et toårig tilsyn med psykisk helsevern i Distriktspsykiatriske sentre. I rapport 4/2009 gir de en oppsummering etter ett års tilsyn, med overskriften «DPS, landsdekkende tjenester, varierende kvalitet?». I rapporten heter det

Videre: «Statens helsetilsyn ser med bekymring på at det fortsatt synes å være utbredt svikt når det gjelder prioritering og vurdering av pasienter som henvises til DPS. I tillegg til at dette kan ha alvorlige konsekvenser for helsehjelpen til den enkelte pasient, kan feil og mangler på dette området også bidra til å svekke samhandlingen mellom DPS og henvisende instanser som fastleger og andre deler av I Riksrevisjonens rapport nr. 3 for 2009–2010 ble det nok en gang påpekt svakheter i Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring av de regionale helseforetak. I pressemeldingen fra Riksrevisjonen heter det bl.a.: «Praktiseringen av utsatt frist for behandling av pasienter innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Helse Sør-Øst kan føre til Pasientene forledes til å akseptere at opprinnelig behandlingsfrist, satt ut fra hva som er medisinsk forsvarlig ventetid, utsettes på grunn av manglende kapasitet ved institusjonen. Pasientene mottar ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon til å kunne gi et kvalifisert samtykke til utsatt frist for pasienter, og dermed mulighet til å ivareta sine rettigheter.» På bakgrunn av Riksrevisjonens rapport i 2008–2009 foreslo Høyre allerede den gangen å opprette en uavhengig instans for vurdering av pasientens rettigheter, sånn at sykehusene ikke kan begrense disse rettighetene ut fra egen kapasitet og økonomi. Den daværende helse- og omsorgsministeren avviste dette problemet og sa til Stortinget, i brevs form, da komiteen behandlet saken: «Det er ikke grunnlag for å hevde at pasientene ikke får en frist for behandling som er gått ut fra en ansvarlig medisinsk-faglig vurdering. Jeg kan ikke se at det for øyeblikket er behov for å gjøre endringer i pasientrettighetsloven på dette området.» Denne interpellasjonen er reist nettopp for å ha en bredere debatt om hvor mange rapporter fra de ansvarlige myndighetene og tilsynsmyndighetene en helseminister fra Arbeiderpartiet trenger en helseminister fra Arbeiderpartiet trenger før man innrømmer at pasientrettighetene ikke blir tilstrekkelig fulgt opp i våre helseforetak, at det blir manipulert med disse rettighetene med bakgrunn i at en tar kapasitetshensyn, og ikke hensyn til pasientens medisinske tilstand, som var den helt klare forutsetningen fra Stortingets side da man vedtok den nye pasientrettighetsloven. Saken fra Asker og Bærum er sannsynligvis en enkelthendelse som illustrerer at det finnes veldig ukloke måter å manipulere pasientrettighetene på som det er lett å oppdage og lett å etterkomme. Utfordringen for statsråden må være å lede et system der det finnes utrolig mange flere, betydelig mer kompliserte og vanskeligere måter å kontrollere og manipulere de samme rettighetene på, og at dette ikke går ut over de pasientene som selv har minst muligheter å følge opp at deres rettigheter blir fulgt opp, som har minst muligheter til å følge opp at de får et brev i postkassen som sier at hvis deres rettigheter ikke blir fulgt opp, kan de ta kontakt med HELFO, rett og slett fordi de ikke har en postkasse, og rett og slett fordi de ikke leser brev. Hvilke diskusjoner knyttet til vårt helsevesen og vårt system vil statsråden åpne opp for, for at dette rettigheter for det enkelte menneske, og ikke rettigheter som ivaretar systemet
jeg leste interpellasjonen, tok den utgangspunkt i Asker og Bærum-saken, og den har jeg også tatt utgangspunkt i. Men som det også vises til, er denne saken under politietterforskning og til behandling i Helsetilsynet. Jeg vil derfor ikke gi en vurdering av disse sakene, men bare understreke at dersom det viser seg at Sykehuset Asker og Bærum har endret dato for frist for behandling i den hensikt å spare penger, ser jeg Pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, skal få en konkret dato for når han eller hun senest skal få behandling i spesialisthelsetjenesten. Pasienten skal informeres om denne fristen. Fristen er juridisk bindende for spesialisthelsetjenesten, og pasienten har et rettslig krav på behandling innen den fastsatte fristen. Hensikten med retten til nødvendig helsehjelp er å sikre et likeverdig helsetilbud til pasienter over hele landet, og at pasientene også prioriteres riktig. Vi har etablert et eget kontaktpunkt, HELFO Pasientformidling, der pasienten kan henvende seg dersom fristen ikke overholdes. Helseforetakene får et døgn på seg til å finne et tilbud der pasienten kan få behandling innen 14 dager. Klarer de ikke det, vil HELFO overta og bestille behandling ved en institusjon de har rammeavtale med, eller i utlandet. Det regionale helseforetaket er ansvarlig for å dekke kostnaden. Det koster sannsynligvis mer å måtte betale for behandling hos andre enn å utnytte egen kapasitet. Helseforetakene vil derfor være tjent med at pasienter ikke bruker sin rett til å få behandling et annet sted. Representanten Høie anfører at bestiller- og utførerrollen ikke er tilstrekkelig atskilt i dagens system, og anfører at dette er en mulig årsak til at sykehusene for å forskyve tidspunkt for fristbrudd. Helseforetaksmodellen er til en viss grad basert på et skille mellom bestiller- og utførerfunksjonene ved at rollene er fordelt mellom det regionale helseforetaket på den ene siden og helseforetak og andre leverandører av helsetjenester på den andre. Sørge for-ansvaret gjør at de regionale helseforetakene har bestillerfunksjon, men samtidig eier de helseforetakene i sin region, og de er ansvarlig for den statlige utførerfunksjonen. Ved fristbrudd ligger bestillerfunksjonen hos HELFO Pasientformidling, som er en ytre etat i Helsedirektoratet, altså utenfor de regionale helseforetakene. Bestiller- og utførerrollen er Grunnen til at HELFO gir tjenesteleverandøren som har brutt fristen, ett døgn på å finne ny behandlingsdato, er at de fleste pasienter foretrekker at helsehjelpen gis i nærområdet. Ifølge HELFO lyktes man med dette for ca. halvparten av fristbruddene i 2009. Oppslaget i Aftenposten i februar viste at kun et fåtall av fristbruddpasientene henvender seg til HELFO for å få behandling. Det kan være flere grunner til at det ikke er flere som benytter denne muligheten: Det kan være at pasienten ikke har fått god nok informasjon om sine rettigheter ved fristbrudd, eller at pasienten foretrekker å vente på behandling ved sitt eget sykehus. Etter mitt syn vil ikke nødvendigvis endringer i organiseringen av spesialisthelsetjenesten føre til at pasientrettighetene ivaretas på en bedre måte. Jeg mener at god internkontroll og risikostyring er vesentlig for å forebygge, forhindre og avdekke avvik, også når det gjelder fristbrudd. I foretaksmøtene i januar stilte jeg krav om at de regionale helseforetakene skal sørge for at sykehusene gjennomgår systemer og rutiner for behandling av henvisninger. Samtlige regionale helseforetak har rapportert til meg at ingen funn tilsier systematisk manipulering av fristdato. Et stort antall saker er gjennomgått i alle regionene, og det viser seg at fristdatoen er endret i 0,07–1,5 pst. av tilfellene. Gjennomgangen i Helse Sør-Øst er basert på opplysninger fra alle helseforetakene, unntatt Sykehuset Asker og Bærum. Som et eksempel kan nevnes at Sykehuset Innlandet HF har gjennomgått 65 535 saker fra det siste året, og de fant 46 endringer av fristen. Helse Nord har kartlagt ca. 500 fra det siste året, og de fant 46 endringer av fristen. Helse Nord har kartlagt ca. 500 000 henvisninger, og bare i Helse Bergen har de gjennomgått ca. 20 000. De regionale helseforetakene har rapportert flere forklaringer på hvorfor datoen var endret. De viktigste forklaringene var: feiltasting i forbindelse med innlegging av dato, at noen systemer ikke tillater at feiltastinger rettes opp, at endring var gjort etter ønske fra og i samråd med pasient, at diagnosen var endret, det kunne være øyeblikkelig hjelp-innleggelser eller flytting av dato frem i tid. Det rapporteres at sykehusene har systemer og rutiner for å behandle henvisninger. De regionale helseforetakene mener at informasjon om rettigheter til Helse Midt-Norge rapporterer at de har utfordringer med hvilke pasienter som skal gis rettighetsstatus. Jeg har forsikret meg om at de regionale helseforetakene følger opp dette. Helsetilsynet har gjennomført flere tilsyn med hvordan pasientrettighetsloven overholdes. Disse tilsynene og avgjørelser i klagesaker har vist at loven ikke alltid følges. I tillegg har en undersøkelse vist at bare et fåtall pasienter benytter sin rett ved fristbrudd. Jeg kan ikke gi et sikkert svar på hvorfor det er slik, eller hvor stort problemet egentlig er. Det er fremsatt påstander om at pasientene får for dårlig informasjon om sine rettigheter, at regelverket er for komplisert og for lite kjent, eller at pasienter velger å vente på behandling ved sitt lokale sykehus. Helsedirektoratet har laget prioriteringsveiledere og brevmaler for innkalling og informasjon om pasientrettigheter. Disse tas nå i bruk i helseforetakene, og jeg forventer at dette vil bidra til at pasientrettighetene overholdes. I etterkant av saken ved Sykehuset Asker og Bærum er det satt i gang en rekke tiltak. De regionale helseforetakene arbeider med hvordan de kan bli bedre til å informere pasientene om deres rettigheter. Jeg vil løpende vurdere om de tiltak som er iverksatt den siste tiden, er effektive virkemidler for bedre etterlevelse av pasientrettighetene. Dersom det viser seg at disse tiltakene ikke er tilstrekkelige for å bedre situasjonen, vil jeg vurdere ytterlige tiltak, bl.a. evaluering og endring av regelverket. At helsetjenesten overholder pasientrettighetene, er en forutsetning for å kunne prioritere dem som trenger det mest, og også for at vi skal ha et likeverdig tilbud om

denne er jo under kontinuerlig svekkelse gjennom at denne regjeringen f.eks. har åpnet opp for at ansatte og direktører i de regionale helseforetakene, etter den såkalte konsernmodellen, sitter som styremedlemmer i de lokale helseforetakene. Dette er helt klart med på nettopp å som var den opprinnelige modellen som Stortinget sluttet seg til. Jeg vil også utfordre statsråden til å svare på om hun mener det samme som statsråd Bjarne Håkon Hanssen mente da han svarte Stortinget sist om dette, nemlig at det ikke er grunnlag for å hevde at pasienten ikke får en frist for behandling som er gått ut fra en medisinsk faglig vurdering. Mener statsråden, etter alle disse rapportene, rapportene, at det er et standpunkt statsråden kan stå inne for? Så opplever jeg også at statsråden ikke ser på dette som et generelt problem, i motsetning til Høyre. Men kan jeg da utfordre statsråden om hun ser det som et problem at f.eks. det å utforme nye brevmaler ikke er tilstrekkelig for å sørge for at f.eks. pasienter som er rusmiddelavhengige, i realiteten får oppfylt sine pasientrettigheter, som også er knyttet opp til deres rett til å få tilstrekkelig informasjon om de individuelle rettighetene en har til å få valgt andre behandlingstilbud? Det samme spørsmålet gjelder for så vidt også psykiatriske pasienter. Er statsråden villig til å se på at dagens system ikke i tilstrekkelig grad ivaretar disse menneskenes individuelle rettigheter til å ha den samme muligheten til å ta valg som det andre pasientgrupper

jeg som statsråd leder. Nå ble jeg spurt om jeg mente at det var grunnleggende systemfeil. Nei, jeg kan ikke si at jeg mener at det er grunnleggende systemfeil, ut fra den saken som har vært foranledningen til alt det arbeidet som er gjort for å undersøke dette med fristbrudd og informasjon til pasientene og om det er gjort endringer i det i andre helseforetak enn Asker og Bærum. Tvert imot vil jeg si at det disse undersøkelsene viser, er at man alle steder har prøvd å etterleve dette. Jeg ga en ganske detaljert forklaring på resultatet av de undersøkelsene som er gjort, og alle de journalene som er gjennomgått. Men det er forbedringspotensialer på noen områder. områder. Ikke minst gjelder dette informasjon. Interpellanten gir egentlig stikkord til det: Det ble spurt om rusmisbrukere, det ble spurt om psykiatriske pasienter, hvordan de forholder seg til informasjon. Jeg kan nevne mange andre grupper som kan ha vanskelig for å ta til seg den informasjonen som blir gitt. Nettopp derfor er det utarbeidet nye brevmaler hvor informasjonen skal være klargjort. Men samtidig må den som mottar informasjonen, oppleve at den informasjonen som er gitt, er forståelig. Derfor er dette, spesielt informasjonssiden, et område vi må fokusere mye på. Hvorvidt man oppfatter informasjonen – det er altså ikke mangel på informasjon, den er der – skal ikke være avgjørende for om man får behandling før fristen for behandling går ut. Dette vil vi altså fokusere sterkt på. Det

stort trykk på, og som egentlig er et direkte resultat av det arbeidet som er gjort i forbindelse med den saken som har initiert alt, nemlig saken om Sykehuset Asker og Bærum. Lov om pasientrettigheter har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på

Dagens interpellasjon reiser en viktig prinsipiell debatt om hvor godt vi i praksis klarer å følge opp lovens formål, og et mer spesifikt spørsmål, om det er avdekket praksis som tyder på svikt. De aktuelle saker behandles av tilsynsmyndighet og etterforskes av politiet. Dette borger for at nødvendig etterforskningskompetanse er satt på sakene, og for uavhengig faktagjennomgang og konklusjon. Så lenge sakene etterforskes av politiet, vil jeg ikke gi kommentarer om disse, men vi bør minnes at de vanlige rettsprinsipper gjelder også i saker av denne karakter. Sykehusene er store organisasjoner, og bare et fåtall personer har roller og arbeidsoppgaver inn mot de problemstillinger som er belyst i de omtalte saker. Arbeidsdagen i et sykehus er fysisk og psykisk krevende. Jeg vil gi honnør til alle de ansatte som holder humøret oppe, og som gir inspirasjon, til beste for sine pasienter og sine kolleger, selv om krevende og alvorlige problemstillinger ligger uavklart over organisasjonen. Bakgrunnen for retten til nødvendig helsehjelp er at tilstander og sykdommer har forskjellige naturlige forløp. De gamle huslegene brukte observasjon som et aktivt virkemiddel, fordi noen sykdommer best går over av seg selv. På den annen side er det viktig å komme til med moderne behandling av mange sykdommer mens de ennå er i tidlig fase, slik at sjanse for helbredelse er god. Derfor har vi laget et system som tar utgangspunkt i en medisinsk-faglig vurdering alene, for å bestemme hastegrad. Hvis ansvarlig lege setter fristen til f.eks. to uker, så er dette juridisk bindende for sykehuset. Overskrides fristen, vil pasienten på forespørsel få anvist fra HELFO Pasientformidling behandling annet sted, og dette må betales av sykehuset som har oversittet fristen. Gjeldende lov reflekterer den faglige etikk som etter mine erfaringer er grunnfestet i sektoren. Det forekommer fristbrudd, men bare et fåtall fristbruddspasienter henvender seg til HELFO for å få behandling annet sted, offentlig eller privat, betalt av sykehuset som står bak bruddet. Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om hvorfor dette skjer. Vi antar at en del pasienter likevel foretrekker behandling så nær hjemstedet som mulig. Fullgod informasjon om konsekvens og alternativer ved fristbrudd er en nødvendig del av kvaliteten i behandlingen. Fristen ble satt ut fra de beste medisinsk-faglige vurderinger, basert på foreliggende informasjon. Det kan derfor være å fraråde at pasienten selv velger å oversitte fristen. Det er også viktig at informasjonen gjør pasientene trygge på at behandlingen ved annet sykehus er faglig likeverdig med det lokale tilbudet. Det er viktig at Helsedirektoratet nå har laget prioriteringsveiledere og brevmaler for innkalling og informasjon om pasientrettighetene. Alle ledd i denne kjeden må kvalitetssikres. Et banalt poeng er at en stor gruppe pasienter har nedsatt syn, så f.eks. skriftstørrelse i brev og informasjonsmateriell er viktig. Vi skal avvente utfallet av politiets etterforskning i den aktuelle sak. Men i en kompleks tjeneste er det viktig å ha gode internkontrollrutiner, ha en åpen kultur for melding om feil og ha evne til å lære av feil, slik at de ikke skjer igjen.

i det norske helse- og omsorgsvesenet. Jeg tror ikke det er en utstrakt og bevisst manipulasjon med ventelister i det norske helsevesenet, men jeg kan heller ikke med sikkerhet fastslå at så ikke skjer. Iblant er det behov for å se på problemer og utfordringer med nye øyne. Vi har alle godt av at noen andre ser på sakene utenfra. Helse- og omsorgskomiteen har i disse dager til behandling et forslag fra Fremskrittspartiet om en ekstern gjennomgang av systemer, ledelse og strukturer i det norske helsevesenet. En slik gjennomgang kan f.eks. utføres av Det Norske Veritas, har vi pekt på. En slik gjennomgang ville kvalitetssikret og forbedret flere som i dag gjelder pasientrettighetene. Jeg vil gjerne høre statsrådens og regjeringspartienes vurdering av dette forslaget, da jeg tror en slik gjennomgang ville være svært hensiktsmessig for norske pasienter. Jeg er i likhet med interpellanten av den oppfatning at bestiller- og utførerrollen må være klart adskilt, og at den er svekket ved den måten dagens helsevesen er organisert

Nettopp derfor er det nødvendig å endre finansieringssystemet slik at pasienten ikke blir en utgiftskilde for sykehusene, men en inntektskilde. Dette gjøres bl.a. gjennom å øke ISF-andelen til om lag 60 pst. Pasientrettighetene brytes i det norske helse- og omsorgsvesenet, sannsynligvis hver eneste dag. I mange tilfeller gjøres dette over hodet på pasienten. Dette er komplekse rettigheter som krever ressurssterke pasienter eller pårørende som sørger for at de blir ivaretatt. Det er en stor utfordring for de ressurssvake pasientgruppene, som f.eks. eldre pleietrengende, rusmisbrukere og psykiatriske pasienter. Det er tre eksempler som skiller seg klart ut som grupper som har problemer med å ivareta sine egne rettigheter. Det er et sterkt behov for systemendring som ivaretar pasientrettighetene på en helt annen måte enn hva som gjøres i dag. Derfor er det en riktig og god problemstilling som er tatt opp av interpellanten i dag.

Forslaget ligger, som tidligere nevnt, i komiteen til behandling. Det er bare å finne fram ja-stemplet når man senere skal votere over denne saken. Skulle statsråden og regjeringspartiene ikke ha et ja-stempel, skal jeg være mer enn villig til å fremskaffe et slikt. Statsråden var opptatt av informasjon og at det er

Rusavhengige opplever svikt i mange ledd i helse- og omsorgstjenesten. Både den første og den andre regjeringserklæringen fra regjeringen Stoltenberg innholdt mange fagre løfter om satsing på tilbudet til rusavhengige. Helseministre fra denne regjeringen har forsøkt å overgå hverandre i sympatierklæringer for disse pasientene. I den siste regjeringserklæringen heter det «rusavhengige skal få innfridd sine pasientrettigheter og sikres rett til behandling på riktig nivå og til rett tid ut fra en individuell vurdering». Dette er bare en fjern drøm for pasientene, slik drømmeslottet Soria Moria også var. I virkelighetens verden har ventetiden for rusbehandling økt betydelig under Stoltenberg-regjeringen, og hjelp. Ventetiden har økt med nesten to uker bare i løpet av et år, og i snitt venter rusavhengige i to og en halv måned på hjelp. Mange venter betydelig lenger enn dette. I Helse Nord må rusavhengige vente i snitt i fire og en halv måned på behandling. Jeg vil minne statsråden om at mens Regjeringen fortsetter seminaret om heroinutdeling, står altså over 4 300 rusavhengige i kø for behandling. De ber om hjelp til å bli rusfrie, ikke om hjelp til å ruse seg. Mange pasienter opplever at de ikke får hjelp innenfor den medisinske fastsatte fristen for behandling. I Helse Midt-Norge gjelder dette for 35 pst. av pasientene, og i Helse Nord RFH opplever hele 42 pst. av pasientene at de ikke fikk hjelp når de hadde krav på det. Enda mer alvorlig er dette fordi også fristene manipuleres. Dette fremgår av Riksrevisjonens 2009–2010. Riksrevisjonen skriver i pressemeldingen om rapporten: «Pasientene forledes til å akseptere at opprinnelig behandlingsfrist, satt ut fra hva som er medisinsk forsvarlig ventetid, utsettes på grunn av manglende kapasitet ved institusjonen. Pasientene mottar ikke tilstrekkelig og korrekt informasjon til å kunne gi et kvalifisert samtykke til utsatt frist for pasienter, og dermed mulighet til å ivareta sine rettigheter.» Vi har et helt konkret eksempel på dette, som kommer til uttrykk i et brev som Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har skrevet til ledelsen på Aker sykehus. Klinikken varsler om at eneste mulighet for å nå budsjettbalanse er «å legge ned en enhet og si opp ansatte eller innføre full inntaksstopp for nye pasienter i LAR, selv om dette i neste runde igjen vil gi flere fristbrudd». Rapportene fra Riksrevisjonen og Helsedirektoratet samt dette konkrete eksemplet viser, mener vi, systematisk brudd på pasientrettighetene for rusavhengige. rusavhengige. Denne praksisen som avdekkes her, er stikk i strid med Stortingets intensjon da retten til individuell behandlingsfrist ble innført, nemlig å sikre at pasientene får helsehjelp når behovet oppstår, ikke når sykehuset har kapasitet. Da Høyres gruppe i forbindelse med statsbudsjettet stilte spørsmål om hvor mange flere som ville få rusbehandling med Regjeringens budsjettforslag, svarte statsråden at budsjettforslaget ikke var avgjørende fordi retten til behandling er regulert i pasientrettighetsloven. Jeg håper statsråden i lys av denne informasjonen som er påpekt her, får hodet opp av sanden. Det er faktisk ikke slik at rusavhengige får hjelp når de trenger det, selv om de har krav på det etter pasientrettighetsloven. Denne systematiske svikten som avdekkes av Riksrevisjonen, Helsedirektoratet og Helsetilsynet, er Regjeringens og Vi har hørt nok om gode intensjoner og sympatierklæringer for de rusavhengige fra ulike statsråder. Fra Høyres side krever vi at helse- og omsorgsministeren redegjør for hva hun helt konkret vil gjøre for å sikre at rusavhengige og andre skal slippe å oppleve systematiske brudd på pasientrettighetene. En god begynnelse kan være å erkjenne at brudd på pasientrettighetene faktisk er

Interpellanten tek sjølv opp om saka kan ha si årsak i at bestillarrolla og utførarrolla ikkje er tilstrekkeleg belyste i dagens system. Interpellanten spør om helseministeren vil foreslå nokre systemendringar for å sikra at pasientane sine rettar blir følgde opp. Senterpartiet tek gjerne ein debatt om bestillar- og utførarmodellen og resten av dei bedriftsøkonomiske prinsippa som Høgre var med på å innføra i helsevesenet, og kva slags heldige eller uheldige sider dette har hatt for utviklinga av helsevesenet. Det er inga hemmelegheit at Senterpartiet var imot føretaksmodellen då han blei innført, men vi er òg opptekne av at når vi først har organisert helsevesenet etter ei styreform, må vi sørgja for å ta ansvar for at ein opprettar tillit til systemet og innfører kontrollmekanismar som hindrar eventuelle negative utslag

Det er eit system som viser korleis sjukehusa kan registrera diagnosar, slik at dei får høgast mogleg inntening. Ein får best betalt dersom den dyraste diagnosen blir sett som hovuddiagnose. At slike system er brukte i fleire helseføretak, viser etter mitt syn det negative ved at innsatsstyrt finansiering er blitt drege ned på avdelingsnivå. Regjeringa har i Soria Moria-erklæringa varsla ein gjennomgang av finansieringssystemet for I Samhandlingsreforma er det allereie foreslått å redusera innsatsstyrt finansiering frå 40 pst. til 30 pst., noko som Senterpartiet meiner er ei endring i riktig retning. Etter å ha høyrt på debatten blir eg meir og meir slått av kor sinnrikt og komplekst system vi har laga for at pasientar heilt enkelt skal få den hjelpa dei skal ha, når dei treng det. Vi lagar bestillar- og utførarfunksjonar, og så kritiserer vi desse. vi desse. Vi lagar pasientrettar og tidsfristar, og så kritiserer vi at dei ikkje blir følgde opp. Det rettshelsevesenet vi sjølve har skapt, favoriserer tydelegvis dei ressurssterke og fungerer dårleg for f.eks. rusmisbrukarar. Senterpartiet tek alvorleg at det ligg føre mistanke om at økonomiske omsyn kan vera sette over medsinsk-faglege prinsipp – i alle fall i ei Men debatten i dag meiner eg faktisk er overflatisk, den er politisk, og den er lite konstruktiv. Det som interpellanten her i dag belyser, er

konstruktiv. Det som interpellanten her i dag belyser, er egentlig ganske oppsiktsvekkende, nemlig manipulering med datoer for innkalling til undersøkelse og behandling. Om det har vært for å spare penger eller for å få bedre ventelistetall, vites ikke. Da jeg leste brevene som pasienter hadde mottatt fra Sykehuset Asker og Bærum, var det lett å se at dette standardbrevet, som jeg antar det var fra deres side, inneholdt flere brudd på pasientrettighetsloven. Det er bra at helseministeren raskt tok affære og undersøkte situasjonen i hele landet. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ba i brev 26. januar i år om å få en redegjørelse fra statsråden om pasientenes rettssikkerhet. Blant annet ville vi ha svar på om det var etablert nasjonale standarder og maler for innkallelser, brev om pasientrettigheter pasientrettigheter osv. Også flere andre forhold ønsket vi belyst. To dager senere, 28. januar, leser vi i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet at Helsedirektoratet har laget egne brevmaler og informasjonsvedlegg som skal sørge for at sentrale pasientrettigheter blir ivaretatt. Det er bra, men dette burde vært ivaretatt på et langt tidligere tidspunkt. Det er nemlig ikke første gang Regjeringen og departementet er gjort kjent med at pasientkøer trikses bort, og at pasienter ikke informeres om sine rettigheter. Ja, det er, om mulig, vil jeg si, nesten verre innenfor psykisk helsevern. Jeg skal prøve å dokumentere det. Allerede i 2006 kunne vi lese en artikkel i Aftenposten av en spesialist i psykiatri. Han påpekte at pasienter ikke blir skikkelig informert, at de ikke blir innvilget rett til nødvendig helsehjelp slik loven pålegger, at fristene for behandling er for lange, og at alvorlig syke avspises med få terapitimer. Man unngår fristbrudd ved å avvise pasienter. I 2007 mottok daværende helseminister Sylvia Brustad omfattende dokumentasjon fra Ressursklinikken om at at pasienter avvises, at pasienter ikke informeres om rettigheter, om triksing med pasienttall m.m. Dette gjaldt Ahus. I 2008 leste vi i Dagbladet at Riksrevisjonen i en rapport hadde avdekket at pasienter innenfor psykisk helsevern avvises. I rapporten heter det: «Opplagte rettspasienter får avslag, mens pasienter som burde fått Det er ingen sammenheng mellom diagnose og prioritering av pasienten, eller mellom diagnose og frist for behandling.» Selv har jeg i løpet av den siste tiden mottatt flere henvendelser fra fastleger som har psykisk syke pasienter med behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. De står selv fast. På henvendelse dit får de ubegrunnet avslag, og både pasient, familie og fastlege føler seg ganske hjelpeløse. Ikke engang en konsultasjon med veiledning tilbys. Med andre ord er det ikke nytt at sykehus prøver å unngå brudd på ventelistegarantien, men det som nå er avdekket ved Sykehuset Asker og Bærum, er nok kanskje lettere å gjennomskue. Vanskeligere er det når pasienter og fastleger blir totalt avvist i spesialisthelsetjenesten innen psykisk helse. Disse pasientene kommer ikke inn på venteliste i det hele tatt. Og dette skjer i dag, i 2010. Jeg er ganske sikker på at en del av disse pasientene, slik iallfall fastlegene har vurdert det, er rettighetspasienter. På skriftlig spørsmål fra meg til helseministeren svarer hun med de lover og regler som gjelder, og at Helsetilsynet har ansvar for å vurdere manglende forsvarlighet i behandlingstilbudet – det er riktig. Helseministeren har også vært enig i at det ikke er akseptabelt, det som skjer, og så viser hun til den fremtidige samhandlingsreformen. Skal denne praksisen da bare få fortsette – det er vel egentlig mitt spørsmål – innenfor psykisk helse inntil en langt fra ferdig reform kommer? Her gjenstår det nemlig mye arbeid, og det dreier seg om psykisk syke mennesker som ofte ikke er de første i køen for selv å kunne ta

for innkalling av pasienter ved Sykehuset Asker og Bærum. Her blir det avdekket svært alvorlige forhold når det gjelder kreftpasienter, prioriterte pasienter, forhold som overhodet ikke skulle forekomme. Dette er en sak som er anmeldt til politiet, og som sådan burde, eller bør, en debatt om hvorvidt systemene fungerer eller ikke, burde, eller bør, en debatt om hvorvidt systemene fungerer eller ikke, komme i etterkant av politietterforskingen – om det er sånn som det er beskrevet her, eller om det er enkelttilfeller. Interpellanten reflekterte over hvorvidt problemet var bestiller- eller utførerrollen. Min umiddelbare assosiasjon til denne saken var om dette har sin årsak i det økonomiske systemet, finansieringssystemet, i sykehusene, om det skulle være noe i det økonomiske systemet som på en måte la grunnlaget for denne type manipulering. Da vil vi ha en meget alvorlig sak som jeg forutsetter vil komme til behandling i Stortinget, altså en sak om finansieringssystemet som sådant. Som sagt, det vet vi ikke noe om. Vi Vi må avvente politietterforskningen. Så opplever jeg at opposisjonen i debatten drar inn det brede spekteret av utfordringer vi har innenfor helsevesenet vårt – innenfor psykiatrien, innenfor rusbehandlingen, innenfor hele dette store spekteret – man påpeker at vi har utfordringer og påpeker Riksrevisjonens rapporter. Disse rapportene har påpekt mye av de har påpekt mye av de samme tingene mange år bakover i tid. Også da Høyre satt med regjeringsmakt, var det brudd på frister, det var pasienter som ikke fikk behandling når de burde få det. Det som har skjedd de siste årene – det må jo kunne sies i denne debatten – er at innsatsen f.eks. i psykiatrien har økt formidabelt. Langt flere pasienter får behandling i dag enn for fem år siden, enn for ti år siden. Dimensjonen i debatten, det Langt flere pasienter får behandling i dag enn for fem år siden, enn for ti år siden. Dimensjonen i debatten, det på en måte å bre ut hele spekteret av utfordringer vi har innenfor helsevesenet, synes jeg ikke står i forhold til den saken som opprinnelig er beskrevet, den alvorlige saken vi hadde ved Sykehuset Asker og Bærum, og som nå er til etterforskning hos politiet. Derfor ser jeg for meg at vi kommer tilbake til hele denne problemstillingen når vi vet hva som egentlig har foregått, om det er en lokal sak – vi håper at det er det – så man kan finne en løsning på dette. Jeg føler at her er dimensjonene blåst litt vel opp. opp. Det er alltid farlig når debatter har pågått lenge og folk begynner å bli trette, å bidra til at det blir mer. Men etter å ha hørt på et par av innleggene utover i denne interpellasjonsdebatten, har jeg lyst til å understreke én ting: Den interpellasjonen som er tatt opp, er tatt opp i et mye større perspektiv enn bare situasjonen ved Sykehuset Asker og Bærum. Det andre som er viktig, er at det selvfølgelig er sånn som Kjersti Toppe sier: Det var mye greiere før. Det var mye greiere før vi hadde pasientrettigheter. Den forrige regjeringen innførte disse pasientrettighetene fordi det var et bidrag til å gjøre noe mer styringsmessig på kvaliteter på rettighetssiden for å balansere spørsmålene knyttet til den økonomiske styringen. Høyre hadde vært for dette og foreslått det sammen med flere andre borgerlige partier gjentatte ganger under tidligere arbeiderpartiregjeringer, men vi hadde altså fått det nedstemt hver gang. Så innførte vi pasientrettighetene fordi det skulle balansere. Vi skulle skape åpenhet, vi skulle skape en annen beslutningsinformasjon, sånn at de som satt og styrte, ikke bare skulle se seg blind på økonomien. Det er viktig å huske at nettopp når du lager økonomiske styringsmodeller, må det balanseres mot pasientrettighetene. Det var ikke sånn at det var bedre før. Køene var lengre, problemene var større – og pasientrettighetene har bidratt til å synliggjøre noen utfordringer. Men når jeg tok ordet, var det bl.a. fordi jeg er litt forbauset over at ikke flere enn interpellanten og et par andre på borgerlig side oppfatter den enorme variasjonen man har i bruken av pasientrettighetene, som et problem, og at det kan ha et økonomisk incentiv. Det er ikke riktig som forrige taler sa, at det var mange slike rapporter under den forrige regjeringen. Det må han dokumentere, for det var det faktisk ikke. Det har bare å gjøre med noe så enkelt som at pasientrettighetene trådte i kraft et stykke ut i den forrige regjeringsperioden. Man må sjekke tingene før man sier noe fra Stortingets talerstol. Det synes jeg er et minste minimum av krav

pasientrettighetene sine. I dag er det kommet ny ventelistestatistikk. Jeg har veldig lyst til å få et klart svar fra statsråden på én ting, for jeg tror at hvis man ikke oppfatter det som et problem, har vi funnet løsningen på det meste i helsevesenet. Da bør vi bare reise til Nord-Norge, for i Nord-Norge har de utrolig mange færre alvorlig syke enn i resten av landet. Statistikken viser at i 3. tertial 2009 var det bare 48 pst. av pasientene innenfor Helse Nord som fikk prioritet, mens det var 80 pst. av trønderne som fikk det. Slike store forskjeller har ikke en sykdomsbildeforklaring. Slike store forskjeller har med noe annet å gjøre, og jeg mener det er vår jobb å finne ut hva det er. Det kan bl.a. være økonomiske grunner til det. Det er det som tidligere. Da er det mer avansert enn at man har ryddet i og flyttet på enkeltdatoer; da er det et spørsmål om hva man gjør styringsmessig, og hva Regjeringen har gjort styringsmessig når det gjelder dette – siden Helsetilsynet påpekte det, siden Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport, og siden Bjarne Håkon Hanssen svarte Stortinget at det er ingen grunn til å tro at folk ikke får de pasientrettighetene de har krav på. Jeg mener det er god grunn til å tro at folk ikke får de pasientrettighetene de har krav på. Det er mulig at noen trøndere får for mange rettigheter, men det er min santen åpenbart at i 3. tertial er det en del folk i Nord-Norge som skulle hatt rettigheter som de ikke har fått, for så stor forskjell har ingen naturlig sykdomsbildeforklaring. Hvis det er slik, kan vi avvikle Samhandlingsreformen og alt annet, for da er løsningen å se på hva som skjer i Nord-Norge når folk er så mye mindre alvorlig syke der enn andre steder.

før en politisk erkjenner at dette er et betydelig problem for den enkelte pasient. Hvis en tar systemet som utgangspunkt, kan en bruke veldig lang tid på å diskutere hva som er årsaken til disse store variasjonene. En kan prøve å bortforklare hvorfor det skjer, men hvis en tar utgangspunkt i det som var Stortingets utgangspunkt da en vedtok individuelt fastsatte medisinske tidsfrister, nemlig individets og pasientens rettigheter, er dette en veldig alvorlig situasjon. For det er helt åpenbart at bak alle disse tallene som Høyre og opposisjonen har presentert i denne debatten i dag, er det enkeltmennesker som faktisk ikke får en lovfestet rett som Stortinget har gitt dem som enkeltmenneske. Når rettigheter til det enkelte menneske ikke blir fulgt opp, er det systemet som må endres. Det enkleste ville selvfølgelig være å gjøre det som systemet ønsket. Da Høyre og de andre borgerlige partiene kjempet fram ordningen med individuelt fastsatte medisinske tidsfrister og først fikk gjennomført det

når vi i dag opplever at det samme partiet i liten grad er villig til å ta inn over seg at dette er et problem – ikke for systemet, men for det enkelte menneske, som også veldig ofte faktisk selv ikke er klar over at de har denne rettigheten, og at rettigheten blir brutt. Så sa Kjersti Toppe at denne debatten var overfladisk, at den var politisk, og at den var lite konstruktiv. Jeg er kun enig i ett av disse stikkordene: Den er veldig politisk – og det skal debatter i denne salen være – men den er verken overfladisk eller lite konstruktiv. Ja, det er riktig at før hadde en verken pasientrettigheter eller innsatsstyrt finansiering. Det betydde at pasienter ventet betydelig Men situasjonen var ikke slik at fordi pasientene innenfor somatikken ventet lenger, så hadde ruspasientene og de psykiatriske pasientene det bedre enn i dag, tvert imot, de hadde det enda verre, i et system som var betydelig dårligere for alle innbyggerne i dette land. Det har vært spesielt å lytte til denne debatten og

som har enerett på å mene noe slikt. Det er klart at når vi har pasientrettigheter, skal de praktiseres likt. Det viser seg at det ikke skjer hele veien, men det er ikke fordi noen manipulerer eller trikser. Det har åpenbart vært et system hvor den skjønnsmessige vurdering har vært annerledes noen steder enn andre steder. Det vi da har gjort, er at vi har jobbet hardt for å for å kunne etterleve bedre de pasientrettighetene som er. Så bare et par ting: Bestiller-utfører har vært fremhevet som en god sak. Da har jeg bare lyst til å vise til Sverige og Storbritannia som har erfart at et sterkt formalisert skille mellom bestiller-utfører medfører økt byråkrati, store administrasjonskostnader og behov for kompetanse og ressurser i forbindelse med avtaleutforming og oppfølging.

at de skal etterleves etter intensjonene. De skjevhetene som er der, må rettes opp. Det jobber vi med hver eneste dag.

datteren. Natasha Pedersen sitter med lang erfaring med hvordan omsorgslønnsordningen fungerer, gjennom både egne og andres erfaringer. Hun har også erfaringer med hvordan møtet med kommunen og Nav oppleves når du skal manøvrere deg frem i hjelpetilbud for å skape et liv som er godt å leve for både barnet og familien. Den historien er ikke den eneste. Statens helsetilsyn har avdekket store forskjeller i hvem som får omsorgslønn for å pleie sine funksjonshemmede barn eller andre familiemedlemmer, og hvor mye omsorgslønn som utbetales. I går, på TV 2-nyhetene, så vi nok en familie som kanskje må sende sin datter på institusjon fordi familien nå får redusert sitt tilbud fra Kristiansand kommune. Omsorgslønnsordningen er den av sosiale tjenester med flest klager. I 2008 handlet 35 pst. av klagene om dette. Av 37 klagesaker ble hele 21 saker endret eller opphevet av fylkesmannen. Det er et stort problem at folk får det de har krav på først etter å ha klaget. Dette truer rettssikkerheten både for den som mottar omsorgen, og for pårørende som gir omsorg, og som mottar omsorgslønn. 70 kommuner gir ifølge Helsetilsynets undersøkelse ikke omsorgslønn i det hele tatt. Helsetilsynets rapport viser at de som har pårørende som mottar omsorgslønn, har et stort bistandsbehov. Det er mennesker med til dels alvorlige funksjonshemninger, alt fra hjelp til å spise, drikke og bevege seg, til et sosialt liv og å komme seg ut. For mange familier vil omsorgslønn være det som gjør at hverdagen går rundt. De får en mulighet til å jobbe litt mindre og kjøpe seg de Ifølge sosialtjenesteloven er det særlig tyngende omsorgsarbeid som kvalifiserer til omsorgslønn. Dette betyr mye for foreldre med omsorgsplikt for egne barn. Vi har i Norge, i barneloven, et grunnleggende prinsipp om at barna skal vokse opp hos foreldrene dersom det er mulig. Dette er også en menneskerett. Omsorgslønn kan bidra til å gjøre det mulig. Dagen etter begravelsen til datteren til Natasha Pedersen kom oppsigelsen av omsorgslønn fra kommunen. Kristelig Folkeparti har foreslått at mottakere av omsorgslønn skal få beholde denne i tre måneder etter at barnet dør. Kristelig Folkeparti har også foreslått andre tiltak for at de som mottar omsorgslønn, kan få bedre rettigheter. Det betales arbeidsledighetstrygd og andre rettigheter mangler. Det er i praksis en stønad og ikke en lønn. I Soria Moria I-erklæringen går det frem at Regjeringen vil styrke ordningen med omsorgslønn, men i den nye erklæringen er dette endret til at Regjeringen vil gjennomgå ordningen for omsorgslønn. Jeg kan ikke tolke dette på annen måte enn at Regjeringen har senket ambisjonene, og det er leit dette til tross for at det har vært en politisk vilje og et politisk ønske om å anerkjenne den familiebaserte omsorgen og gjøre det mulig å bo hjemme. Når ulike ordninger som omsorgslønn blir så vanskelig å få, reduserer dette muligheten til å ta ansvar for funksjonshemmede barn og andre hjemme. Hvordan fungerer så dagens ordning? Kommunene har plikt til å ha en ordning med lønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid, men sosialtjenesteloven gir likevel ikke den enkelte et tilsvarende rettskrav på omsorgslønn. Kommunene kan tildele omsorgslønn, men er ikke forpliktet etter loven til å gjøre det. Det er altså en skjønnsvurdering for kommunene. Dette gjelder både tildelingsspørsmålet og størrelsen på avlønningen. avlønningen. Det føles for mange brukere dypt urettferdig at noen får omsorgslønn og andre ikke, selv om de kanskje er i noenlunde tilsvarende situasjon. Noen må sågar flytte til en annen kommune, eller de gjør det fordi den andre kommunen gir mer enn der de bor. I denne interpellasjonen har jeg også lyst til å være litt konstruktiv og komme med noen forslag til hva som kanskje kan gjøres, og ber statsråden vurdere dette – om ikke i dag, så kanskje etter debatten. Jeg har lyst til å peke på tre forslag: Det første er at vi må presisere lik praktisering overfor kommunene. Det betyr at for å oppnå større likhet i praktiseringen av omsorgslønnsordningen i hele landet

Dette vil likevel kunne innebære en sterkere målretting av ordningen, men med mindre mangfold. I dag er det omsorgsmottakere i alle aldre, fra 0–100 år. Det tredje jeg vil fremheve, er å få én samlet ordning. Her har Kristelig Folkeparti nylig fremmet et representantforslag om tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. Det er nylig avgitt innstilling i arbeids- og sosialkomiteen, og denne saken skal behandles i Stortinget den 9. mars. Ett av forslagene som fremmes, er at Regjeringen følger opp Strategiplan for familier med barn med nedsatt funksjonsevne fra 2005, og man ber Samarbeidsregjeringen om en helhetlig ordning, der man ser på en sammenslåing av pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn for familier med barn i alderen 0–18 år med nedsatt funksjonsevne. Det ligger altså som et forslag i Stortinget. I dag er det nemlig slik at disse familiene må søke henholdsvis Nav og kommunene om hjelpestønad og omsorgslønn. De må dokumentere de samme opplysningene for begge instansene. Videre er det en del familier som mottar pleiepenger over lengre tid når barnet har en alvorlig sykdom eller helsetilstand. Kristelig Folkeparti mener at det absolutt burde vurderes en sammenslåing av disse tre ordningene. Til sist vil jeg påpeke at omsorgslønn avgjøres av kommunene. Mange opplever møtet med kommunene som krevende fordi de føler at valgfriheten blir nærmest innsnevret. Sentralt i alle tjenestetilbud står prinsippet om individuell tilrettelegging. Det er de enkelte familiene som selv skal kunne få velge hvordan de skal få leve sine liv. Men når tjenester ikke ytes eller omsorgslønn ikke utbetales, eller man får svært lite i forhold til behovet, snevres denne muligheten inn. Noen opplever at de frarøves den individuelle retten til å leve slik de selv ønsker. Dette er alvorlig. Kommunene bør huske at de skal legge til rette for at foreldrene kan ta ansvar for sine egne barn. Mitt spørsmål til statsråden i dag er: Hvordan vil statsråden forbedre og fornye omsorgslønnsordningen, slik at den kan fungere etter intensjonene? Jeg er

Sammen med brevet fulgte rapporten Omsorgslønn – en kunnskapsoppsummering. Denne kunnskapsoppsummeringen inkluderer også tidligere kartlegginger og prosjekt som departementet har initiert. Helsetilsynet bekrefter at omsorgslønnsordningen fremstår som uklar og bidrar til svekket rettssikkerhet for personer med omfattende omsorgsbehov og deres pårørende. Dagens regelverk pålegger alle kommuner Interpellanten refererer til Helsetilsynets rapport, der det i 70 av landets kommuner ikke var registrert noen personer med omsorgslønn. Dette er ett av flere funn som viser at tildeling av omsorgslønn varierer kommunene imellom. Likevel bør det presiseres at eksemplet refererer til datainnhenting i to enkeltstående år, 1996 og 2007. Man vet ikke om funnet er et uttrykk for at ingen søkte om omsorgslønn i de 70 kommunene i disse to årene, eller om de som eventuelt søkte, fikk avslag. Stortinget har sluttet seg til stortingsmeldingen om fremtidens omsorgstjenester – Mestring, muligheter og mening. Omsorgsmeldingen legger til grunn at vi skal videreutvikle ordninger som gjør det enklere å kombinere yrkesaktivitet med omsorg for barn og pleietrengende voksne og eldre. Omsorgsplan 2015 vektlegger pårørendes omsorgsinnsats som en stor samfunnsøkonomisk ressurs. Som borgere må vi alle være innstilt på i perioder å bistå pårørende som ikke er i stand til å mestre dagliglivets oppgaver – sammen med den kommunale omsorgstjenesten. Vi skal likevel ikke ha betalt av stat eller kommune for slik vanlig familieomsorg. Regjeringen ser det som svært viktig å legge til rette for å kunne kombinere slik omsorg med deltakelse i yrkesliv og samfunnsliv. Noen familier opplever å få det som man med lovens formulering kaller «særlig tyngende omsorgsoppgaver». I henhold til lovverket skal kommunen både sørge for den som har behov for tjenester, og sørge for å lette byrden for pårørende. Ofte vil det handle om å finne et individuelt tilpasset tilbud når det gjelder omfang, type og organisering av kommunale tjenester. Omsorgslønn kan høre hjemme som en del av slike løsninger. Ordningen med omsorgslønn skal da dekke de oppgaver som pårørende tar på seg, og som erstatter kommunale tjenester. Omsorgslønn er altså en ordning for de forholdsvis få pårørende som påtar seg «særlig tyngende omsorgsoppgaver» over tid. Jeg finner det på sin plass med en noe lang innledning, siden det kommer opp en rekke forslag om enkle løsninger. Gjennom de vel 20 årene omsorgslønnsordningen har eksistert, har den fått politisk oppmerksomhet i Stortinget og i ulike regjeringer. Saken er kompleks, og den har vært gjenstand for forsøk, kartlegginger og interne utredninger. I mellomtiden har delvis overlappende og det har vært en sterk satsing på den kommunale omsorgstjenesten. Representanten Dåvøy ønsker å vite hva jeg vil gjøre for å forbedre og fornye omsorgslønnsordningen, slik at den kan fungere etter intensjonen. Ett av problemene, som også Helsetilsynet peker på, er at ordningen ser ut til å prøve å forene flere hensyn og interesser enn det som lar seg forene i én ordning. Det fører til at vi har problemer med å få til en lik og rettferdig forvaltning. I Regjeringens politiske plattform sier vi at vi vil «gjennomgå ordningen for omsorgslønn». I Stortingets spørretime 20. januar i år bekreftet jeg at jeg arbeider med å følge dette opp. Regjeringen vil nedsette et offentlig utvalg som skal gjennomgå ytelser for pårørendeomsorg som erstatter kommunale tjenester, og foreslå endringer ut fra en helhetlig vurdering. Dette vil omfatte både omsorgslønn, pleiepenger og hjelpestønad. Siden vi allerede har en del kunnskap om saksområdet, vil det være et hurtigarbeidende utvalg. Jeg forutsetter at ulike interesser blir hørt underveis i utvalgets arbeid. Det legges til grunn at forslag til endringer i dagens ordninger ikke skal medføre at statens ansvar økes, og at finansieringsansvar for kommunale oppgaver ikke skal overføres til staten.

Fra forskningshold er den anslått til å være nesten på størrelse med den kommunale omsorgstjenesten. Regjeringen vil videreutvikle samhandlingen mellom offentlig sektor og frivillige aktører og ideelle organisasjoner. De er viktige bidragsytere til velferdsproduksjonen. Frivillig innsats fra pårørende skal fortsatt i hovedsak være et supplement til den kommunale omsorgstjenesten. Dette er hva vi gjerne kaller vanlig «ubetalt familieomsorg». I Omsorgsplan 2015 har vi en viktig strategi for å sørge for et godt partnerskap og legge til rette for slik frivillig omsorg. Det handler om å gi avlastning, informasjon, veiledning og god samhandling om individuelt tilpassede løsninger. I denne sammenheng er det viktig at tjenesten organiserer seg inn mot – og ikke ut av – familie og lokalsamfunn.

familiene kunne få i disse tilfellene. Det håper jeg at statsråden kanskje kan si litt mer om – om ikke foreldre i en slik situasjon vil kunne ha rett til å få omsorgslønn og velge det livet de selv ønsker for seg og sine sterkt funksjonshemmede barn. Så til det at statsråden skal sette ned et utvalg. Jeg synes på en måte det er bra, for vi oppnår ikke noe annet. På den annen side er jeg bekymret for at Regjeringen ikke gjorde omsorgsordningen bedre, slik den lovet i Soria Moria I. Nå skal man altså ha et nytt utvalg – man skal gjennomgå. Vi har hatt gjennomganger, bl.a. har vi kunnskapsoppsummeringen fra Helsetilsynet. Like fullt er jeg glad for at det blir et hurtigarbeidende utvalg, er jeg glad for at det blir et hurtigarbeidende utvalg, og jeg opplever at statsråden vil se de ulike tilskuddsordningene i sammenheng. Jeg ber om at statsråden bekrefter det, for det synes jeg er veldig positivt.

omsorgslønn, som kommunal ytelse, er en del av det tilbudet som kommunen kan yte. Men man har et spekter av virkemidler som man kan yte overfor dem som er omsorgstrengende. Det gjør også at det kommunen velger å yte, kan være noe forskjellig.

Vi mener også at det er riktig å se dette i sammenheng. Det er altså ikke noen enkel løsning på hvordan dette skal samordnes, om det skal samordnes, eller hvordan det skal innrettes. Derfor har vi valgt å nedsette et eksternt arbeidsutvalg – ikke et internt utvalg – for å se på disse ytelsene. Så er det helt riktig som det ble sagt, at det finnes mye informasjon. Det finnes også mye kunnskap å bygge på, det vil vi selvfølgelig gjøre. Men det er viktig å få gjort dette arbeidet, slik at man generelt kan få forutsigbarhet for alle parter i en situasjon hvor man har spesielt tyngende

At det er ulik praksis fra kommune til kommune, virker jo ganske uforståelig for folk, og at folk må flytte, virker også veldig vanskelig å forstå. Statsråden viser til at hun allerede har varslet en gjennomgang av ordningen, og at det arbeidet er i gang, synes jeg er bra. Det er jo slik at ingen skal behøve å slite, slik som interpellanten forteller om. Byrden er stor nok. At det er mange kommuner som ikke benytter ordningen, har nok ulike årsaker. Det betyr vel ikke at ordningen ikke virker. Det kan være at det er lite forståelse for den, at det er lite kunnskap, eller at de bruker andre virkemidler. Det er «særlig tyngende omsorg» som skal utløse støtte. Ikke all omsorg er det, selv om det i mange tilfeller virker veldig tungt og krevende. Det er likevel viktig at kommunenes apparat er tilgjengelig med informasjon om at tilbudet finnes, at det brukes når det skal, og ikke minst at det fanger opp dem som har bruk for det. Kommuneøkonomi bør i hvert fall ikke være avslagsgrunn, som det blir hevdet mange steder. Mange av de aktuelle som har ønske om eller har krav på tjenester, er allerede i helsetjenesten i kommunene gjennom hjemmetjenesten, legen eller gjennom skolehelsetjenesten. Derfor er også fastlegens kunnskap et viktig bidrag for å kunne få gode ordninger og hjelpe til, slik at de får en bedre hverdag. Som statsråden sa, legges det ned mye frivillig innsats i omsorgen fra pårørende og venner i dag. Dette er en omsorg som må videreutvikles og pleies. Uten den tror jeg ikke vi klarer å komme i mål,

Men vi har den endringen i samfunnet som vi har, og vi vet at mange er ensomme, mange er alene, mange er uten nær familie i nærmiljøet, og mange har travle familiemedlemmer i fullt arbeid som ikke kan eller ønsker å ta ansvar for sine – eller ikke hæler å gjøre det. Det er da kommunen må ta ansvar for det tilbudet som skal gis, og mange får også den hjelpen. Døgnet er langt og krevende,

beste. Det bør vi som politikere legge til rette for. Statsråden nevnte St.meld. nr. 25 for 2005–2006, Mestring, muligheter og mening, der det slås fast at det er nødvendig å videreutvikle de ordningene vi har, slik at vi kan kombinere det å jobbe med det å ha omsorg for pleietrengende barn, voksne og eldre. Det mener jeg er viktig for å få hverdagen til å gå i hop for de pårørende. Det er viktig for folk å ha en jobb å gå til, men også å kunne kombinere det med omsorg for Vi kommer vel alle til å oppleve at vi i perioder av livet vårt må ta ekstra vare på våre kjære for å få hverdagen til å gå i hop. Det er det ansvaret vi har når vi har familie, men det bør ikke være slik at det er forventet, eller at vi skal få dårlig samvittighet dersom vi ikke klarer det. Men vi må sørge for at de systemene som er tilgjengelige, fungerer, og at de fanger opp og hjelper til. Derfor er omsorgslønn en av de tingene som kan være et godt virkemiddel. Derfor er jeg glad for det som statsråden sier, at det må tas en gjennomgang nå for å se hva som kan gjøres bedre. Det er for dårlige rutiner, som Helsetilsynet har varslet. Vi ser fram til at utvalget kommer med sine anbefalinger, og at kanskje også definisjonen av hva som er tyngende omsorg, vil ligge der. Da kan folk lettere greie hverdagen sin, og vi kan få et bedre samfunn for dem som

I kommunepolitikken i en av landets sterkeste arbeiderpartibastioner har jeg i en årrekke på vegne av Fremskrittspartiet fremmet forslag om økte bevilgninger til omsorgslønn for så å bli nedstemt av de samme rød-grønne partiene som i dag har regjeringsmakt. Dette har vært frustrerende, og noe spesielt har det vært at Senterpartiet har stemt imot, siden det i sin tid var nettopp dette partiet som tok til orde for å innføre en omsorgslønn. Men det var før de havnet i selskap med Arbeiderpartiet. Jeg opplever vel at Arbeiderpartiet er den store bremseklossen når det gjelder å få forbedret omsorgslønnsordningen. Vi ser også av endringene i de to Soria Moria-erklæringene fra Regjeringen at styrkeforholdet endret seg ved valget. I den første erklæringen ville Regjeringen styrke omsorgslønnsordningen, og i den neste ville man bare gjennomgå den. I denne sal har det oppstått forvirring om hvem som har ansvaret for ordningen. Kommunalminister, helseminister og arbeidsminister har ved ulike anledninger pekt på hverandre. Hvis det er forvirring her i huset, så tenk da på alle dem der ute som skal ta seg fram i denne jungelen: omsorgslønn, pleiepenger, omsorgspenger, hjelpestønad, overgangsstønad, feriepenger, inntekt, lønn, pensjonsgivende inntekt, lønnstrinn, skatt, arbeidsgiveravgift, pensjonspoeng, omsorgspoeng, avkorting av trygd, sykepenger, forsikring, tilleggssykepenger, rettighet, stønad, arbeidstaker, oppdragstaker, antall timer, individuelt vedtak, god kommune, dårlig kommune. En kan vel stille seg spørsmål om dette er et velferdsgode eller bare et problem. For den som er i ferd med å påta seg særlig tyngende omsorgsarbeid for en av sine nærmeste som er blitt alvorlig syk, eller har fått et økt behov for bistand, er det nærmest umenneskelig å forvente at vedkommende skal kunne sette seg inn i alle disse forholdene. Med store kommunale forskjeller i omfang og avtaler, samt en manglende kommunal veiledningskompetanse i forhold til kompliserte lovverk, er det ikke rart at omsorgslønn er det området innen sosialkapittelet det blir flest klager til fylkesmannen på. Når også andre offentlige myndigheter, som skatteetat og Nav, sliter med å forstå lovverket, har Stortinget en jobb å gjøre. Vi kan ikke ha det slik at omsorgspersoner og deres syke pårørende blir helseflyktninger i eget land, på søk etter en bydel eller en kommune som praktiserer regelverket om omsorgslønn på best mulig måte. Jeg har dessverre møtt en del personer gjennom tiden som synes å tro at det kun er offentlig ansatte som er i stand til å yte god pleie og omsorg. Private omsorgstilbydere omtales nærmest som suspekte personer eller institusjoner, som på en uredelig måte er ute etter å tuske til seg fellesskapets midler. Oppfinnsomheten for å unngå å betale ut omsorgslønn til privatpersoner er stor, for kommunene betrakter omsorgslønn som en ren utgiftspost. De påberoper seg at de gjennom sine begrensede enkeltvedtak om bistand og nødvendig helsehjelp oppfyller lovens krav.

Problemet er at disse lovendringene kun kommer arbeidstakere til gode. Det er mange som ikke er i arbeid, eller som slutter i arbeid, nettopp for å ta seg av sine nærmeste. Vi har også en gruppe pensjonister som tar seg av sine, og disse vil det bli flere av i årene som kommer, ifølge en nylig publisert undersøkelse fra Universitetet i Oslo. Problemet som oppstår, er at disse eldre personene som vil være til hjelp og støtte, og som nettopp yter det som kan kalles særlig tyngende omsorgsarbeid, får avkorting i Alternativet er å yte ulønnet omsorg og la det offentlige ta seg av resten. Det er en stadig økende andel eldre som mottar ulønnet hjelp fra slektninger og andre. Fremskrittspartiet har gjentatte ganger tatt til orde for å forbedre omsorgslønnsordningen. Vi har fremmet forslag om å fjerne avkortingen for pensjonister. Vi har ønsket å utvide ordningen til flere grupper, bl.a. at pårørende kan yte omsorg for sine egne foreldre eller partner under sykdom, og vi har fremmet forslag om at omsorgslønnen gjøres om til en statlig ordning med et normert beløp, nettopp for å bidra til å samle Norge til ett helserike og sikre en lik og forutsigbar ordning i hele landet. Når jeg hører politikere og byråkrater uttale at omsorgslønn er en offentlig utgift, skulle jeg ønske at jeg hadde mulighet til å sende dem alle på et lite økonomikurs med ett tema, nemlig alternativ kostnad. Det norske samfunnet står overfor enorme utfordringer i tiden framover. Alle er bekymret for om vi får tilstrekkelig antall hender og dyktige fagfolk til å løse de offentlige helse- og omsorgsoppgavene. La oss starte med å forbedre omsorgslønnsordningen i tråd med Fremskrittspartiets forslag. Vi får da redusert byråkratiet, vi får frigitt mange offentlige hender, og vi får et langt bedre samspill med den private og helt nødvendige omsorg. Nå er det på tide at Regjeringen viser tilstrekkelig omsorg for dem som yter omsorg, og sørger for en god og rettferdig kompensasjonsordning for det arbeidet som gjøres. Den Den reglementsmessige tid er nå omme. Presidenten vil foreslå at møtet fortsetter utover den reglementsmessige tid til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. For mange familier med funksjonshemmede barn er

vedtatt. For mange familier med funksjonshemmede barn er pleiepenger en helt nødvendig inntekt for at de skal kunne ta vare på barna. Ingen kan erstatte den omsorgen som engasjerte foreldre gir sine barn, og disse foreldrene gjør en enorm innsats. I den senere tid har Nav strammet inn praksis for tildeling av pleiepenger til mange av disse Dette har dramatiske og hjerteskjærende konsekvenser for familiene. Noen av familiene som rammes, har fått støtte fra helsetjenesten til intensiv opptrening av barn med Disse behandlingsmetodene forutsetter omfattende trening, noe som krever svært tett oppfølging fra foreldrene. Rikstrygdeverket ga i 2003 en uttalelse om at det kan gis pleiepenger etter § 9-10 i lov om folketrygd til foreldre med barn som er under behandling med Doman-metoden. Det framgår av uttalelsen at det både kan gis pleiepenger under opphold ved Doman-instituttet og etter utskrivning dersom barna trenger kontinuerlig oppfølging fra en av foreldrene. Flere foreldre har også mottatt pleiepenger etter Nav er imidlertid i ferd med å endre praksis for tildeling av pleiepenger til foreldre med barn som er under behandling med Doman-metoden. Det opplyses i et brev fra Nav til et foreldrepar at det er lagt til grunn en ny vurdering av de såkalte Doman-sakene, som tilsier at det ikke innvilges pleiepenger med mindre barnet har ustabil eller For de familiene dette gjelder, vil bortfall av pleiepenger gjøre det svært vanskelig, og for flere umulig, å fortsette det treningsopplegget de har etablert i samarbeid med helsetjenesten. Foreldrene frykter derfor at den positive utviklingen de ser hos barna, vil stagnere eller reverseres, og at barna dermed mister muligheten for å utvikle sine evner og sitt potensial. Samtidig mister familiene en inntektskilde som gjør det som gjør det mulig for dem å ha daglig omsorg for barna sjøl. Dette rammer barna og familiene hardt. Disse foreldrene henvises til å søke om omsorgslønn, men det er høyst usikkert om de vil innvilges dette, og støtten kan være begrenset. Det framstår som urimelig at det kan gjøres praksisendringer internt i Nav som har så alvorlige konsekvenser for brukernes rettigheter og livssituasjon. Jeg har tatt denne saken opp med tidligere arbeidsminister Rigmor Aasrud, som opplyste at Nav hadde rett til å foreta disse endringene i praksis for tildeling av pleiepenger. Det er likevel fullt mulig for Regjeringen å innføre regler som sikrer at familier som allerede har fått disse ytelsene, ikke skal rammes av Familier med funksjonshemmede barn og andre skal få et helhetlig hjelpetilbud fra de offentlige velferdstjenestene. Det er uakseptabelt at det offentlige innfører regler som vanskeliggjør en allerede krevende livssituasjon. Regjeringen snakker mye om samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Det hadde vært kunne praktisere litt samhandling i Regjeringen og snakke med sin kollega statsråd Hanne Bjurstrøm om denne saken. Det bør være mulig for Regjeringen å instruere Nav om å videreføre pleiepengene til familier som allerede har mottatt dette, slik at de ikke rammes av den plutselige endringen i praksis. Dette vil koste samfunnet lite, men det vil være enormt verdifullt for familier med funksjonshemmede barn. Hvis Regjeringen har tenkt å holde fast på at disse familiene skal søke omsorgslønn, vil jeg utfordre statsråden til å svare hva hun vil gjøre for å sikre at disse familiene faktisk får innvilget en slik ytelse. I motsatt fall vil etablerte opptreningsopplegg for barna falle bort, noe som vil svekke deres mulighet for en positiv utvikling. I tillegg vil barna oppleve at foreldrene ikke lenger kan ta seg av dem, fordi de ikke lenger har inntekt til å dekke sine utgifter. Alternativet kan være institusjonsopphold, som kan være et dårligere

Da må hun ta med brukerne, foreldrene som vet hvor skoen trykker. De som opplever hverdagen med f.eks. sterkt funksjonshemmede barn, bør og må være med i et slikt utvalg.

Det var Anne Enger Lahnstein som tok til orde for å lovfesta retten til omsorgsløn i valkampen i 1985. Det kravde stor innsats å få stortingsfleirtalet med på den lovfestinga som kom på plass då ny lov om sosial omsorg blei vedteken i 1992. Etter lova er det ei kommunal plikt å ha omsorgsløn som ei av sine deltenester innanfor pleie- og omsorgssektoren. Det har vore store forskjellar mellom kommunar i både kor mange timar som blir tildelte, og kor mange som får ta del i ordninga i Når det i 70 kommunar ikkje er ein einaste som mottek omsorgsløn, meiner eg at det viser at ordninga ikkje fungerer heilt etter hensikta. Det er òg ei kjensgjerning at vederlaget som er gitt, har vore lite i forhold til nytten for dei pleietrengande og innsparingane den private innsatsen gir for stat og kommune. Sidan 1992 har det blitt gitt pensjonspoeng til dei som har hatt omfattande men berre ein liten del av dei som har fått slik pensjonsopptening, er dei som har hatt omsorg for sjuke, eldre og funksjonshemma. I 2004 utgjorde desse siste om lag 6 000 personar av totalt 306 000 som fekk pensjonspoeng for ulønna omsorgsarbeid. omsorgsarbeid. Då lova om ny folketrygd blei vedteken, blei det gitt ei viss omsorgsopptening før 1992 for alle, bortsett frå dei som hadde ulønna omsorg for eldre, sjuke og funksjonshemma – ei ekstra urettferdigheit, etter mi meining. Senterpartiet vil ha ein gjennomgang av omsorgslønsordninga. Vi vil styrkja rettane og leggja betre til rette for dei som sjølve vel å utføra pleie av eldre, sjuke og funksjonshemma i nære relasjonar. Omsorgsløn må vera eit reelt val for den enkelte, og ikkje ein konsekvens av manglande hjelp frå det offentlege. Senterpartiet meiner primært at staten skal dekkja 50 pst. av kommunens utgifter til omsorgsløn. Vi er glade for at Regjeringa ved helseministeren no vil setja ned eit hurtigarbeidande offentleg utval som skal gå gjennom omsorgslønsordninga og sjå på den ordninga i samanheng med andre tilskotsordningar, sånn som hjelpestønad. Med dei store utfordringane som vi står overfor i helsetenesta sett i forhold til det å rekruttera nok kvalifisert personale i framtida, er det viktig og riktig med gode ordningar for det frivillige arbeidet, og spesielt for dei som tek på seg særleg krevjande omsorgsoppgåver i heimen. Til representanten Gåsvatn kan eg meddela at i framstegspartistyrte Bergen, Bergen, iallfall før dei gjekk av på ei bompengesak, var Framstegspartiet med på å stemma ned fleire forslag frå Senterpartiet om å styrkja omsorgslønsordninga. I Bergen har vi store bydelsvise variasjonar i tilbotet: Relativt mange får omsorgsløn, men timetildelinga er markert mykje mindre enn det dei t.d. får i nabokommunen Fjell, som forresten er Høgre-styrt. Poenget er at slike store forskjellar kjennest urettferdig for dei dette gjeld. Det må vi få ei endring på, og eg har store forhåpningar til den raud-grøne regjeringa – og ikkje skuld på

Problemene rundt de ulike ordningene pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn er velkjent, men det har til nå ikke vært politisk vilje til å ta nødvendige avgjørelser for å finne en mer forutsigbar og statlig ordning som gir likebehandling i hele landet, og som det kan være mulig å leve av. Statsråden har i dag også sagt at det ikke er aktuelt å øke den statlige andelen, og det er jo beklagelig. Når pårørende mister retten til pleiepenger, er omsorgslønn et dårlig alternativ, selv i kombinasjon med hjelpestønad. Pårørende til sterkt pleietrengende må gjennom mange runder med søknader og avslag for å få etablert et tilfredsstillende tjenestetilbud, og de har uttalt at det ikke nødvendigvis er det funksjonshemmede barnet som er mest slitsomt, men alle kontorene og menneskene som de må forholde seg til. Omsorgslønnsordningen er en ordning full av innebygde motsetninger og kan karakteriseres som en «salig blanding» av ulike prinsipper og sosialpolitiske ordninger. Slik var det for ti år siden, og slik er det også i dag. SINTEF Helse utarbeidet en rapport om utviklingen i perioden 2001–2006. Ordningen blir der karakterisert som «en gjerrig ordning som driver rovdrift på familier med store omsorgsoppgaver Ordningen er lite forutsigbar ved at familiene må søke på nytt hvert år og brukermedvirkningen er svak». Tildeling av omsorgslønn er den enkeltbestemmelsen i sosialtjenesteloven kap. 4 hvor det er flest klagesaker, og et flertall av klagene får faktisk medhold. Dette viser jo at kommunene praktiserer denne ordningen veldig strengt, og at det er vanskelig å nå fram med rettighetene som man burde. I 2002 ba Stortinget regjeringen foreta en gjennomgang av omsorgslønnsordningen. Direktoratet oversendte sin utredning til departementet i mars 2003, hvor de drøftet ulike løsninger, derunder bruk av bindende eller normerte satser for omsorgslønn i kommunene og spørsmål om statlig delfinansiering av ordningen. Det fremkom også at det var viktig at staten bidro for å sikre at og mye talte for at rammebetingelsene for bruk av ordningen burde endres. Omsorgslønnsordningen er også omtalt i to stortingsmeldinger, St.meld. nr. 40 og nr. 45 for 2002–2003. Der fremgår det at det er behov for å se på hjelpestønaden og ordningen med omsorgslønn i sammenheng, og at spørsmålet skulle utredes nærmere som en del av det videre arbeidet med en helhetlig statlig gjennomgang av Håpet tennes hver gang Stortinget har tatt opp og sagt seg enig i at disse ordningene er lite tilfredsstillende. Og det må jo være et tegn på manglende handlekraft når man etter 20 år ikke har kommet fram til en mer helhetlig praktisering av ordningen. Helsetilsynets rapport som ble fremlagt, er derfor ikke spesielt overraskende, og jeg ser liten grunn til å fortsette med å utrede disse spørsmålene, for det er faktisk ikke så stor forskjell på det som kommer fram fra år til år. Ordningene er uoversiktlige, de er urettferdige, og de er ikke egnet til å hjelpe folk som er i denne situasjonen. Arbeids- og sosialkomiteen har nå to saker til behandling som tar opp mye av det denne saken handler om. Den ene skal behandles i Stortinget neste tirsdag, som Laila Dåvøy nevnte. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ber da Regjeringen legge fram et forslag til hvordan hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn kan slås sammen til én statlig ordning for å sikre et enklest og best mulig regelverk som kan tilbys på en like god måte over hele landet. Det som bør være starten på å finne en ny ordning som fungerer, er å se disse ordningene i sammenheng, om at det skal skje noe nå, og at man ikke bare utreder. Men målsettingen må være en likeverdig ordning i hele landet. Det vil føre til at pårørende omsorgsytere kan konsentrere seg om andre ting enn å søke på ulike støtteordninger. Men dessverre er det mye som tyder på at forslaget nok en gang avvises neste tirsdag, og de som har stått fram i media nå, altså faren til Pernille og moren til Stian, og andre som er i samme situasjon, fortsatt skal måtte slite i et byråkratisk system for å klare

at to hjelpeordninger som ytes, kanskje for samme barn og samme familie, er så forskjellige dersom det organiseres eller utbetales fra Nav eller fra kommunene. Når en familie i mange år har fått pleiepenger fra Nav og nesten over natten må gå over på omsorgslønn fra kommunen, er det vanskelig å forstå at de får en så lav omsorgslønn at de ikke lenger kan ta vare på omsorgsbehovet selv. Da blir det også feil, for barnet er jo absolutt like pleietrengende den ene dagen som den neste. Så jeg kan godt forstå at pårørende og familiene ikke helt skjønner disse ordningene godt nok. Dette er det vi som er politikere som må ta ansvar for å ordne opp i. Når familier selv vil ta omsorgsansvaret, bør de etter min mening få lov til det. det. Andre vil selvsagt velge andre løsninger. Og jeg håper og tror at helseministeren også er enig i at folk må få være med og legge til rette for det de selv ønsker. Så er jeg glad for at statsråden iallfall går et skritt videre i dag med dette utvalget. Jeg oppfatter at statsråden også sier at hun ønsker å se de ulike ordningene i sammenheng. Det ligger altså et forslag på bordet fra Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, som skal behandles den 9. mars. Det går nettopp på å vurdere en helhetlig ordning, der man ser på en sammenslåing av pleiepenger, hjelpestønad og omsorgslønn. Jeg er enig med representanten Giltun, og jeg håper at dette utvalget mer enn å gå inn og se på hvordan ting fungerer – det vet vi mye om – kanskje går rett på tiltak

– er hvor lang tid et hurtigarbeidende utvalg må jobbe for å komme med gode forslag til tiltak. Og som sagt: Jeg mener at man ikke behøver å utrede situasjonen. Vi vet utmerket godt hvordan den er.

som har ulik form for rettighetsfesting. Det er jo slik med omsorgslønn at kommunen har plikt til å ha den, men kan tilby andre omsorgsordninger også. Så det blir en vurdering. Når man da skal se på tre slike ordninger i sammenheng, må man gjøre det på en skikkelig måte, og arbeidsministeren sa jo i sitt svar i spørretimen 17. februar sa jo i sitt svar i spørretimen 17. februar også at saken «reiser en rekke prinsipielle, juridiske og kostnadsmessige spørsmål». Vi ser behovet for å se på totaliteten. Når vi da går inn og setter ned et offentlig utvalg, er det nettopp for å gjøre dette. Hadde vi bare villet trenere en sak, hadde vi ikke satt ned et offentlig utvalg for nettopp å se på de tre ordningene. Men de er så ulike at det er ikke bare å slå det sammen

med dagens ordninger. Derfor er det så viktig å se på hva som må gjøres for å få til en mer rettferdig og bedre ordning. Debatten i sak nr. 11 er dermed avsluttet. Stortinget går da til votering.

ministeren

Ja, vi

sak nr. 3 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram fire forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 3, fra Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 4, fra Lars Bjarne Tvete på vegne av Høyre Forslagene nr. 1–3 er inntatt på s. 34 i innstillingen,

Under debatten er det satt fram seks forslag. Det er forslag nr. 1, fra Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Ib Thomsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 3–6, fra Trine Skei Grande på vegne av Venstre Forslagene nr. 1 og 2 er inntatt på

Ingjerd Schou og Bent Høie om endring i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. for å gjøre det mulig å godkjenne institusjoner som gir tverrfaglig spesialisert behandling som sykehus og dermed omfattes av retten til fritt sykehusvalg. Komiteens flertall, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, står bak komiteens tilrådning, som er at saken skal vedlegges protokollen. Det er